ein

mot menneskehandel er det

Det foreligger ikke noe forslag til debattopplegg, og presidenten håper det betyr at vi får en kort debatt. For ordens skyld vil presidenten gjøre oppmerksom på at i en fri debatt er taletiden begrenset til 30 minutter. Som sakens ordfører For ordens skyld vil presidenten gjøre oppmerksom på at i en fri debatt er taletiden begrenset til 30 minutter. Som sakens ordfører skal jeg gjøre mitt beste til at dette går ganske raskt. Denne saken dreier seg om endring av § 12 første ledd bokstav a i lov om Schengen informasjonssystem, forkortet SIS. Endringen vil gi tollmyndighetene rett til direkte søk i SIS på lik linje med politiet når de utfører grensekontroll og annen kontroll. Tollmyndighetene har i dag adgang til å gjøre seg kjent med alle kategorier opplysninger i SIS, men må begjære disse utlevert ved henvendelse til Kripos. Forslaget er derfor i hovedsak en forenkling og effektivisering av den tilgang tollmyndighetene allerede har til opplysningene i Tollmyndighetene i de fleste av de øvrige Schengen-landene har slik direkte adgang til SIS som foreslås i denne innstillingen. SIS er et register med bl.a. opplysninger om personer som ønskes pågrepet og utlevert, som skal forvares av hensyn til sin egen sikkerhet, som er uønskede i Schengen-området, eller som får sin identitet misbrukt av andre. I tillegg inneholder SIS opplysninger om stjålne eller forsvunne gjenstander, som motorkjøretøyer, tilhengere, campingvogner, skytevåpen, pengesedler, blankofullmakter og legitimasjonsdokumenter. SIS er derfor et sentralt verktøy i kriminalitetsbekjempelse på tvers av landegrensene. Også samarbeid på tvers av offentlige organer og etater er etter komiteens mening viktig for å bekjempe organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Samarbeidet mellom politi og tollmyndigheter er derfor av stor betydning. Høringsinstansene er gjennomgående positive til forslaget. Dog er Datatilsynet kritisk til forslaget og mener det øker belastningen på personvernet. En samlet justiskomité er også opptatt av å ivareta personvernet og viser til komiteens behandling av politiregisterloven og Lovvedtak 38 i inneværende stortingssesjon. I den nevnte saken framhevet justiskomiteen betydningen av et tydelig og godt regelverk for informasjonssikkerhet og internkontroll når det gjelder behandling av personsensitive opplysninger hos politiet. Dette er viktig både av personvernmessige grunner og for å ivareta politiets behov for at slike opplysninger holdes skjermet for uvedkommende.

Til slutt vil eg seie at eg føreset, og har tillit til, at Tollvesenet på same måte som politiet vil sikre at tilgang til informasjon blir utøvd i samsvar med SIS-lova og det EU har anbefalt.

Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter.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

Saken er fremlagt fordi den vedtatte straffeloven av 2005 ennå ikke har trådt i kraft, og fordi det har vært et betydelig offentlig ordskifte etter avgjørelser i Høyesterett, hvor landets øverste domstol uttaler at det vedtatte straffenivået i straffeloven av 2005 kun kan implementeres gradvis inntil endelig Justiskomiteen har hatt en relativt rask behandling av denne saken. Det er nå viktig at Stortinget gjør sitt vedtak, og at de foreslåtte endringer til straffeskjerpelser kan tre i kraft straks, slik at domstolene allerede nå kan ta de nye strafferammene i bruk.

Vi som er medlemmer av Stortingets justiskomité, får en rekke spørsmål om dette, og det virker uforståelig for folk flest at det skal kunne ta så lang tid før en ny straffelov kan tre i kraft. Men jeg regner med at statsråd Storberget kan gi Stortinget signaler om når vi kan forvente en ikrafttredelse når han skal ha ordet senere i denne debatten. denne debatten. I debatten for ett år siden uttalte justiskomiteen følgende i innstillingen til saken, Innst. O. nr. 73 for 2008–2009: «Komiteen understreker at det her legges opp til et ytterligere skjerpet straffenivå for bl.a. grov vold, drap, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner, både gjennom økte strafferammer, økte minstestraffer og ikke minst gjennom at proposisjonen

I den samme debatten uttalte komitéleder og saksordfører fra Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten, følgende – og jeg tror også vi kan slutte oss til hennes ord: «Blant annet er komiteen samstemt i at straffenivået for seksuelle overgrep, vold og drap, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner skal heves betydelig. Vi ønsker at den betydelige straffeskjerpelsen vi legger opp til når det gjelder den individkrenkende alvorlige kriminaliteten, skal ta til å gjelde straks. Dette må politi, påtalemyndighet og domstoler merke seg.» Dette er svært klare ord fra en

Stortinget ga klar beskjed om at de nye høyere strafferammene i den nye 2005-loven skulle tas i bruk straks, og dette var en svært klar beskjed til den tredje statsmakt fra landets lovgivende statsmakt. Riksadvokaten ba politi- og påtalemyndighet straks å ta i bruk det nye staffenivået og mente det ville være ideelt om det nye straffenivået var etablert når den nye straffeloven trådte i kraft. Det indikerer at straffenivået burde økes relativt raskt. Høyesterett uttalte i to storkammeravgjørelser den 13. november 2009 at de angitte normalstraffenivåene i motivene til straffeloven av 2005 ikke kunne gis full anvendelse ved straffefastsettelse etter straffeloven av 1902, men at det er først etter ikraftsetting av straffeloven av 2005 Dette er klare signaler fra Høyesterett som Stortinget kun kan ta til orientering, men som også viser hvor mye det haster med å få iverksatt den nye straffeloven, slik at Høyesterett ikke har noe valg. Statsråd Storberget har i det offentlige ordskiftet om denne saken vært relativt tydelig til statsråd å være og gitt klart uttrykk for at han har vært misfornøyd med Høyesteretts vurdering av hvor raskt de nye strafferammene skulle innfases. Han har gitt uttrykk for at hvis domstolen ikke fulgte opp Stortingets vedtak, ville han tvinge den i kne. Derfor kom den saken som vi i dag behandler. Da regjeringen la frem den nye proposisjonen som vi her behandler, trodde mange at regjeringen skulle følge opp det vedtaket som Stortinget gjorde under behandlingen av straffeloven av 2005 om et betydelig høyere straffenivå for en rekke forbrytelser. Skuffelsen var derfor svært stor da vi oppdaget at regjeringen ikke fulgte opp Stortingets vedtak, men foreslo langt lavere strafferammer enn det som lå i Stortingets vedtak. Riktig nok forslås det en heving av minimumsstraffene, og det vil føre til et høyere straffenivå, men når man samtidig ikke hever maksimalstraffene, vil man ikke få det høyere straffenivået som Stortinget forutsatte under vedtakelsen av Dersom vi skal få et betydelig høyere straffenivå, må både minimumsstraffene og maksimalstraffene heves, fordi Høyesterett sjelden vil ta i bruk hele strafferammen for normalstraffenivået. Vanlig straffeutmålingspraksis fra Høyesterett er at den øvre delen av strafferammen reserveres de helt spesielle, grovere tilfellene. Normalstraffenivået vil derfor, med de nye lavere strafferammene, ligge betydelig lavere enn hva Stortinget forutsatte ved vedtagelsen av 2005-loven. I proposisjonen er det heller ikke omtalt hvorfor Regjeringen har valgt å gjøre som den har gjort, og hvorfor fjorårets vedtak ikke er fulgt opp. Det er å gi Stortinget mangelfulle opplysninger, etter min oppfatning. Det er ikke ukjent at statsråd Storberget tar i bruk sterk retorikk når han ønsker oppmerksomhet rundt sine synspunkter og saker. Spørsmålet er om det i denne saken har vært for mye retorikk og for lite handling. For hvilket signal er det man nå sender til domstolene? Skal nå de vedtatte strafferammene i straffeloven av 2005 legges på hylla frem til ikrafttredelse av loven om et år eller to? Eller kan domstolene, hvis de mener det er riktig, ta i bruk de nye strafferammene? Det er uansett ingen tvil om at Storberget i denne saken må gå tilbake på mye av det han har sagt. La oss ta et tilbakeblikk. Til Aftenposten torsdag 28. mai 2009 uttalte han følgende: «Skjerp straffene for volds- og seksualforbrytelser. Og gjør det – nå!» Videre står det: «Dette er en strafferettslig marsjordre til dommerne. De politiske signalene er entydige fra både Regjeringen og Stortinget, sier Storberget offensivt»

Og hvilke politiske signaler er det landets dommerstand her skal ta imot? Det kunne være fristende å unnskylde statsråden for denne sterke ordbruken med at vi for et år siden nærmet oss et stortingsvalg og at han derfor ønsket å sende klare signaler til hjemlige innbyggere i Hedmark og andre deler av landet om at vi her hadde med en handlingskraftig statsråd og stortingskandidat å gjøre. Det som imidlertid i dag og i denne innstillingen er Det som imidlertid i dag og i denne innstillingen er signalet fra regjeringen og regjeringspartiene, er at det vedtatte nye straffenivået i straffeloven av 2005 ikke skal gjelde. Når regjeringspartiene her i Stortinget til og med går tilbake på det forslaget som regjeringen har fremmet for Stortinget, sender man et signal om at det vedtatte straffenivået ikke skal gjelde. Hva slags signal er det å sende? At man begrunner dette med økonomiske og administrative konsekvenser, er utrolig og savner trolig sidestykke i Stortingets historie. Det innebærer altså at man i verdens rikeste land ikke har råd til å øke strafferammene og å bevilge de relativt beskjedne summene det her er snakk om. Spørsmålet er da om man i det hele tatt har råd til å iverksette straffeloven av 2005, eller om denne må vente til regjeringen kan prioritere dette. I innstillingen til 2005-loven skriver man at det vil ta flere statsbudsjett før man kan få iverksatt konsekvensene av loven fullt ut. I forbindelse med dagens innstilling har verken regjeringen eller regjeringspartiene skrevet noe om hva kostnadene vil være. De økonomiske og administrative kostnadene er det derfor ikke tilstrekkelig redegjort for verken i Prop. 97 L eller i forslaget til straffeloven av 2005.

å skjerpe straffene for denne type lovbrudd. Men de to storkammeravgjørelsene i Høyesterett i fjor uttalte at de angitte normalstraffenivåene skal gradvis trappes opp, og blir først gitt full anvendelse når straffeloven 2005 trer i kraft. For Arbeiderpartiet og de rød-grønne har det hele tiden vært en prioritet å få opp straffenivået så raskt som overhodet mulig. La det være klinkende klart fra denne talerstolen i dag: Med vårt forslag får vi en betydelig straffeskjerpelse, og vi sikrer oss at denne straffeskjerpelsen trer i kraft nå. Vold og seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem. For dem det rammer, har det store konsekvenser. Det er krenkende handlinger, og for mange kan det totalt forandre livet og gi langvarige fysiske og psykiske konsekvenser. Samtidig skaper denne type lovbrudd frykt, også hos dem det ikke rammer. Til tross for at straffenivået for voldtekt er blitt skjerpet de siste årene, ligger straffenivået fremdeles i nedre sjikt av strafferammen. Det er et mål at strafferammene og straffenivået mellom ulike typer kriminalitet står i et rettferdig forhold til hverandre, og derfor har det vært viktig for Arbeiderpartiet og de rød-grønne å få opp straffenivået for voldtekt slik at det samsvarer bedre med straffenivået for andre sammenlignbare overtredelser. For å få opp straffenivået gjør vi derfor noen viktige grep: Vi øker minstestraffen for voldtekt, og normalstraffenivået skal være betydelig høyere enn i dag. Straffenivået angis ut fra de gjennomgåtte domsbeslutningene i proposisjonen. Og vi gir et tydelig signal til domstolene om at øvre del av strafferammen skal benyttes i større grad enn i dag. Samtidig er det viktig at vi ikke glemmer det faktum at altfor mange voldtektssaker aldri blir anmeldt, og at altfor mange saker blir henlagt hos politiet. Derfor er det viktig at samtidig som vi setter opp straffene, må vi også styrke kompetansen hos politiet og sørge for at den som anmelder blir tatt på alvor. En av våre viktigste oppgaver er kampen mot vold i nære relasjoner – en situasjon som for mange oppleves som en daglig terror. Også her er straffenivået for lavt, særlig når det gjelder mishandling av barn. Derfor heves den øvre strafferamme for overtredelse av 219 første straffealternativ til fengsel i inntil fire år og tredje straffealternativ til ti år. Vi sørger nå for at det blir strengere straffer. Det er et viktig signal om at dette er alvorlig kriminalitet, som samfunnet tar avstand fra, og som skal straffes strengere. Men la oss heller ikke i dag glemme at vi ikke bekjemper kriminalitet ved strengere straffer alene. En av de store utfordringene når det gjelder nettopp vold i nære relasjoner, er jo at altfor mange ikke anmelder, ikke tør å søke hjelp og ikke greier å komme seg ut av situasjonen. Heldigvis ser vi nå en økning i antall anmeldelser. Det handler nok ikke først og fremst om at det er flere tilfeller, men at flere anmelder. Det handler om politisk fokus, og at vi har greid å løfte et tabubelagt område ut fra husets fire vegger og inn i offentligheten. Også for vold og drap skal straffene opp. Jeg er glad for at vi gir et tydelig signal om at straffen for uprovosert vold, grov vold og skjerpes betydelig. Flertallet går ikke inn for å heve den øvre strafferammen fra seks til åtte år i straffeloven § 229 andre straffealternativ og § 219 annet ledd. Årsaken er de økonomiske og administrative endringene, og dette ville medført at straffeskjerpelsene ikke kunne trådt i kraft med øyeblikkelig virkning. Dette er også godt beskrevet i brevet fra justisministeren til Stortinget. Men jeg har lyst til å understreke at det ikke rokker ved formålet i proposisjonen, nemlig at straffenivået skal opp. Ved å angi normalstraffenivået og ved å heve strafferammene i § 219 første ledd og § 229 første og tredje straffealternativ vil vi få en betydelig straffeskjerpelse. For oss har det vært en prioritet å få opp straffenivået raskt. Det ville vi ikke fått til dersom vi hadde hevet strafferammene til åtte år. hadde hevet strafferammene til åtte år. Konsekvensen av det hadde vært at vi mest sannsynlig måtte vente til tidligst 2011 for å få den ønskede straffeskjerpelsen. Jeg har lyst til å understreke at endringene som vi gjør i dag i straffeloven 1902, er en overgangsordning fram til straffeloven 2005 trer i kraft. Vi tar sikte på at det skal skje i 2012, og flertallet finner det derfor ikke hensiktsmessig å utsette straffeskjerpelsen i 1902-loven til 2011. Når Fremskrittspartiet i VG – og på sine egne nettsider – påstår at vi ikke hever straffenivået, er jo det direkte feil. Man kan lure på om Fremskrittspartiet bevisst misforstår, eller om de bare mangler en grunnleggende forståelse for hvordan man sikrer lengre straffer. Jeg har lyst til å advare Stortinget mot at man ser seg blind på den øvre strafferammen. For den store utfordringen er jo nettopp at normalstraffenivået for denne type lovbrudd er for lavt og ligger i nedre sjikt av strafferammene. Derfor er det et betydelig rom også for å heve straffenivået innenfor dagens strafferammer, og det sikrer vi nettopp ved å angi normalstraffenivået ut fra de gjennomgåtte domsbeslutningene. Denne måten å heve straffenivået på har jo også Høyesterett gitt sin tilslutning til. Og det kan kanskje være på sin plass å sitere fremskrittspartirepresentanten Jan Arild Ellingsen under debatten om straffeloven 2005. Ellingsen sa følgende om denne måten å heve straffenivået på: «Metodisk synes jeg det er veldig bra, for det er konkretisert, og det er tydelig hva man ønsker å oppnå.» Jeg kunne ikke vært mer enig. Og la meg nok en gang gjenta hovedbudskapet, for det kan virke som om ikke alle henger helt med. Med flertallets forslag vil vi få økte straffer for voldtekt. Vi vil få økte straffer for vold, blind vold og grov vold. Vi vil få økte straffer for drap, økte straffer for kjønnslemlestelse, økte straffer for vold i nære relasjoner og økte straffer for misbruk av overmaktsforhold. I gjennomsnitt foreslår regjeringen å og for enkelte voldslovbrudd er det en straffeskjerping opp mot 100 pst. Det er så langt unna en fallitterklæring som det omtrent er mulig å komme. Med Høyre og Fremskrittspartiets forslag ville vi kanskje fått et papirvedtak som tok seg godt ut på løpesedler, og på forsiden av avisene. Men jeg driver altså ikke med politikk for å fatte papirvedtak som ikke kan settes ut i livet. Jeg driver med politikk for å få til endring i det virkelige liv. Med de rød-grønnes forslag vil vi få en kraftig skjerpelse av straffene, og de vil tre i kraft med øyeblikkelig virkning. Jeg gleder meg derfor til å stemme for regjeringens forslag.

tyranni. Det danner kanskje bakteppet for at Bjørneboe på sin side uttalte at ethvert fremskritt er avhengig av at både skrevne og uskrevne lover blir brutt. Vi behandler altså i dag nok et kapittel hvor vi ikke kjenner konklusjonen på når det vi vedtar i dag, skal tre i kraft, innenfor rammen av den nye straffeloven som vi vedtok i fjor. fjor. Det skal jo bli spennende å se hvilken farge det blir på den regjeringen som omsider får gleden av å fremme ikrafttredelsesproposisjonen om den nye straffeloven. Det er sagt om menneskehetens historie at det er historien om stadig urettferdighet og overgrep fra mannens side overfor kvinnen i den hensikt å tyrannisere henne fullstendig. Jeg håper vi ikke er der i 2010, men uansett var det i hvert fall slik at i den gamle straffeloven var det hensynet til eiendom og verdier som fikk hovedfokus – den vi nå bruker som en slags nødhavn i påvente av ikrafttredelsen av den nye. Seksuelle overgrep er et stort og omfattende samfunnsproblem, med store og ofte traumatiske konsekvenser for det enkelte mennesket. I Voldtektsutvalgets utredning viste man til at åtte av ti anmeldelser blir henlagt av politiet. Det er fortsatt en stor utfordring i dag. Det er ikke akseptabelt at 90 pst. av alle voldtekter og voldtektsforsøk aldri blir kjent for politiet, og at så få saker som anmeldes, blir oppklart. Til tross for at voldtekt foregår i et så stort omfang, og rammer ofrene hardt, forblir gjerningsmennene nærmest usynlige i straffesakssystemet. Derfor har hele Stortinget vært klar på at det er nødvendig å skjerpe arbeidet mot seksuelle overgrep, og at en ny straffelov må sikre at denne type kriminalitet straffes på en måte som er i pakt med den alminnelige rettsoppfatning. Litt historikk: Det er som kjent – og sagt flere ganger – ennå ikke klart når den nye straffeloven skal tre i kraft. Det skulle man jo ha trodd, for i etterkant, og i hele valgkampen forut for stortingsvalget, ga justisministeren i media et inntrykk av at nye straffebud var på plass, og nærmest over natten skulle medføre kraftig skjerpede straffer for volds- og sedelighetsforbrytelser, i pakt med Stortingets forutsetninger. Det møtte juridisk motbør. På den bakgrunn ba Høyre i lengre tid om at regjeringen klargjorde hvorvidt man da ville være åpen for å gjøre det man gjør i dag, å legge disse straffebudene inn i straffeloven av 1902. Det ble avvist av regjeringen helt inntil årsskiftet – på nyåret i år. I mellomtiden fremmet vi, fra Høyres side – på basis av Høyesteretts avgjørelse i de to ankesakene i november 2009 – et forslag som skulle bidra til å realisere de løftene som statsråden kom med i hele valgkampen på av et enstemmig storting. Da vi behandlet det forslaget, berømmet vi statsråden og flertallet for å ha snudd ved å komme Høyre og opposisjonen i møte, på et felt hvor vi altså har prøvd å stå tverrpolitisk sammen, da det ble varslet at statsråden kom til å fremme et slikt lovforslag via media – og følge Høyres forslag. På det tidspunktet var det grunn til å rose uten forbehold, for det vitnet om stor politisk handlekraft. Men statsråden ble delvis hentet igjen av sine egne ord, som i denne saken viser seg å være noe større enn virkeligheten, og det viser seg dessverre oftere og oftere. Det politiet som skal sørge for at denne straffeloven skal bli håndhevet, varsler at de må kutte 500 stillinger. Men man flyr altså rundt og kommer med de samme foilene som man gjorde ved budsjettfremleggelsen, da Stortinget ikke kjente eller hadde det hele og fulle bildet med tanke på hva som skulle vise seg å bli driftsbudsjettene i virkelighetens verden etterpå. Kriminalomsorgen beskriver selv at den er i en krise, mens statsråden sier at Kriminalomsorgen er i en gullalder. I tilknytning til denne saken blir statsråden på debattsiden i Aftenposten i dag nærmest fornærmet på Aftenpostens lederartikkel fredag 4. juni. Der er det en lederskribent som altså ikke har gjort noe annet enn å sammenholde ord med handling når han beskriver prosessen forut for den loven vi behandler i dag. Selv om man selvfølgelig skal ta denne type kommentarer med en klype salt, så bør det gjøre et visst inntrykk at man fra Aftenpostens side ikke sier at man har fått et inntrykk, men at man har fått befestet et «inntrykk av en utspillsglad justisminister som er dyktig til å få oppmerksomhet om engasjerende enkeltsaker, men som slurver med politikkens mer hverdagslige, men like nødvendige fotarbeid». Det er grunn til å gi ros for å ta initiativ og vise handlekraft, men det er ikke grunn til å rose den måten statsråden som medlem av en regjering forholder seg til Stortinget som statsorgan på i denne saken. Flertallsstyre er sikkert bra, det kan gi stabilitet og forutsigbarhet, men det kan også gi grobunn for dårligere saksbehandling. Det oppstår jo oftere og oftere såkalte inkurier, som vi må behandle i dette storting, fordi både statsråd og embetsverk dessverre ser ut til å slakke bitte lite grann på kravene. Og jeg må si at man har lagt seg til gode vaner når man altså på debattsiden i Aftenposten i dag nærmest i en bisetning uttaler følgende: «I regjeringens lovforslag ble dessverre enkelte viktige prosessuelle konsekvenser oversett.» Og så beskrives det som om justiskomiteen nærmest i ro og mak har rettet opp dette i sin innstilling på basis av innspill fra lagdommere. Det er ikke lov å sitere fra komitémøter, men det er lov å sitere egne tanker, som jeg tror deles av både den ene og den andre: Denne saken har overhodet ikke blitt håndtert på en tilfredsstillende måte fra regjeringen overfor Stortinget. Jeg ville anbefale, på bakgrunn av den prosessen som faktisk har vært, at statsråden kanskje var bitte lite grann mer ansvarsfull overfor det parlamentet som han er konstitusjonelt ansvarlig overfor, og bitte lite grann mindre forurettet overfor Aftenposten og dem som påpeker avstand mellom ord og virkelighet. Men som forrige taler ganske så høyrøstet var inne på, så kommer vi faktisk noen skritt videre ved at man følger opp og legger inn en god del av det vi alle er enige om. Høyre mener imidlertid, i å gjøre et par ting nå, nemlig å øke maksimumsstraffen når personer i høyt betrodde stillinger misbruker sin stilling til å foreta seksuelle overgrep. Det er viktig å sende et signal ved å heve den laveste strafferammen til inntil seks år for legemsbeskadigelse. Vi mener også det er nødvendig å heve straffenivået ytterligere for kjønnslemlestelse mot ungdom, for å understreke hvor alvorlig denne formen for overgrep mot unge er, og ikke minst ha et sterkere søkelys på vold i

Representanten Håheim var inne på – midt inni alt – en del viktige ting når det gjelder hvordan man bekjemper en del av de tingene vi snakker om i dag. Det er helt riktig. Én ting er selvfølgelig at man sørger for at politiet ikke går inn i enda en krise, men det andre er holdninger. Det er en viktig jobb vi alle har å gjøre med tanke på det holdningsarbeidet som må gjøres i forhold til alle de voldtektene som skjer med noen man kjenner. For det er fortsatt slik at jenter med korte skjørt dessverre ses på som fritt vilt blant enkelte, uavhengig av hvilken hudfarge og etnisitet de måtte ha – rett og slett fordi de har et negativt syn på kvinner. Dessverre er det slik at en overfallsvoldtekt regnes som en «skikkelig» voldtekt, mens man i en del andre situasjoner har en tendens til å lempe ansvaret over på den utsatte, i form av at det legges for stor vekt på den fysiske voldsbruken fremfor på totalbildet. Og når det gjelder barn, så mye makt for å få det til å gjøre som en voksen vil, for det holder å manipulere, og jenter og gutter i en sårbar livsfase kan også manipuleres ganske lett. Det er ting som det kanskje ikke er aktuelt å diskutere i dag, men det er et viktig perspektiv å ha når vi skal få denne straffeloven til å virke. Jeg vil også varsle at Høyre kommer til å støtte innstillingen subsidiært, hvis ikke flertallet skal gjøre det fornuftige, nemlig å støtte det de egentlig mener – i hvert fall gjorde de det i fjor. SV og denne regjeringen er meget opptatt av å forebygge vold i alle former og mot alle innbyggere. Frihet fra vold og trusler om vold er en menneskerett. Straff virker allmennpreventivt, og det gir ofrene en viss oppreisning. Derfor har SV, sammen med våre regjeringspartnere, fra dag én jobbet for å skjerpe straffen for vold, grov vold, vold i nære relasjoner, seksualisert vold og drap. Jeg registrerer at denne linjen har fullt ut støtte i Stortinget. Over en tid har det utviklet seg et straffenivå for de mest integritetskrenkende handlingene som ligger for lavt i forhold til andre straffbare handlinger. Straffenivået for ulike lovbrudd skal i størst mulig grad gjenspeile hvor alvorlig samfunnet anser et lovbrudd for å være. Et enstemmig storting vedtok i behandlingen av ny straffelov 2005 i fjor å skjerpe straffenivået bl.a. for grov vold, drap, voldtekter, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. For å sikre en slik heving av nivået ble det gitt tydelige signaler i form av økte strafferammer, heving av minstestraffen og anvendelse av Det ble understreket at det forhøyede straffenivået skulle ta til å gjelde straks. Høyesterett var imidlertid av en annen oppfatning. I to storkammeravgjørelser – som det ble gjort rede for her tidligere – kom de fram til at de angitte normalstraffenivåene i motivene til straffeloven av 2005 ikke kunne gis full straffefastsettelse etter straffeloven av 1902, men at det først er etter ikraftsetting av straffeloven 2005 motivuttalelsene skal gis full effekt. Høyesterett uttalte at straffenivået skulle heves gradvis fram til endelig vedtakelse av straffenivået. SV og regjeringen tar selvsagt denne ytringen til etterretning og med fatning. Men siden vi hele tiden har vært utålmodige etter å skjerpe straffenivået i de ovennevnte forbrytelser, vil vi bruke vårt mandat som lovgiver til å oppnå de ønskede straffeskjerpelsene raskere enn det domstolen legger opp til gjennom et vedtak i Stortinget i dag. Etter at har justisministeren gjort Stortinget oppmerksom på at enkelte av lovendringene hadde noen økonomiske og administrative konsekvenser som det ikke var redegjort for i proposisjonen. Å heve strafferammen fra seks til åtte år vil bl.a. medføre ubetinget anke og at saken settes med lagrette. Disse konsekvensene vil ikke kunne dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. For å hindre en ytterligere forsinkelse i ikraftsettelsen av lovendringene har regjeringspartiene derfor foretatt enkelte justeringer. Vi vil derfor beholde strafferammen på seks år for saker etter straffeloven §§ 219 annet ledd og 229 annet straffealternativ. Samtidig har vi gitt klar beskjed om at domstolene i langt større grad skal benytte seg av øvre sjikt av disse rammene. Jeg legger ikke skjul på at den øvre rammen er et viktig signal. Men langt viktigere er det at rammen brukes aktivt, og at normalstraffen ligger høyere enn dagens nivå. Dagens straffeutmålingspraksis knyttet til mishandling i nære relasjoner og voldslovbrudd ligger i det nedre sjiktet av strafferammene. Innenfor de eksisterende strafferammene vil vi kunne heve straffenivået kraftig, og det er det som nå gjøres for disse bestemmelsene. På denne måten får vi en kraftig skjerping av straffenivået for mishandling i nære relasjoner og voldslovbrudd. La meg avslutte med å understreke det fokuset SV og de andre regjeringspartiene hele tiden har hatt når det gjelder bekjempelse av vold og overgrep. Fornærmede og etterlatte har fått en tydeligere status gjennom straffeprosessen og fått utvidet sine rettigheter, bl.a. gjennom å utvide retten til bistandsadvokat. Vi har etablert seks barnehus for å gi en helhetlig oppfølging av barn som er utsatt for vold og andre overgrep. Riksadvokaten i de senere år også intensivert arbeidet med å styrke politiets og påtalemyndighetens arbeid knyttet til barns rettsvern på disse områdene. Blant annet har en gått tungt inn i behandlingen av enkeltsaker for å sikre best mulig behandling, og derigjennom bidra til kompetanseoppbygging samt generelt arbeidet for å bedre etterforskningen og den påtalemessige behandlingen av enkeltsaker for å sikre best mulig behandling, og derigjennom bidra til kompetanseoppbygging samt generelt arbeidet for å bedre etterforskningen og den påtalemessige behandling av slike saker. Justisdepartementet er i ferd med å utarbeide et høringsnotat med forslag om at plutselige og uventede dødsfall hos barn alltid skal etterforskes, uavhengig av om det foreligger mistanke om straffbare forhold. avvergingsplikten etter straffeloven av 1902 § 139. Avvergingsplikten skal bl.a. omfatte mishandling i nære relasjoner og flere typer seksuallovbrudd mot barn. Med vedtaket vi fatter i dag, vil vi – så fort endringene trer i kraft – få et betydelig strengere straffenivå. Det er det som var målet, og det er det som er målet i dag.

endrar vi derfor den gjeldande lova noko. Fleirtalet i Høgsterett har i to storkammeravgjerder gått inn for ei gradvis heving av normalstraffenivået fram mot at straffelova av 2005 trer i kraft. Dette har ikkje vore tilfredsstillande for alle oss som har ønskt at straffenivået skulle opp raskt. Det er ikkje alltid slik at tolmod er ei dygd, somtid skal vi vere utolmodige og handle. Eg er glad for at vi gjennom lovframlegget kan oppnå nettopp å Eg er glad for at vi gjennom lovframlegget kan oppnå nettopp å få heva straffenivået snarare enn det Høgsterett elles ville lagt opp til. No har det vore ein diskusjon omkring tre føresegner der lovframlegga gjekk ut på å auke straffa frå seks til åtte år, og der dei økonomiske og administrative konsekvensane av å vedta desse no ville vere så store at For at ein slik prosess ikkje skal hindre oss i å sørgje for strengare straffer umiddelbart frå 1. juli, har derfor fleirtalet gått inn for ikkje å auke strafferammene i 1902-lova for akkurat desse tre føresegnene. Ein kan seie at målet har vore viktigare enn middelet i så måte. Straffelova av 2005 skal etter kvart tre i kraft, og då blir strafferammene åtte år. For snarast råd å sørgje for ei umiddelbar og kraftig heving av straffenivået for mishandling i nære relasjonar og grov vald unngår vi akkurat dei endringane som ville ha forseinka dette i den overgangsordninga som dagens innstilling legg til rette for. Stortinget gir no utvitydige signal om å heve straffenivået innanfor denne ramma. Eg er glad for den innsatsen som den raud-grøne regjeringa og justisministeren har gjort mot vald og overgrep. Dagens vedtak vil vere nok eit steg i rett retning.

Dette ville ikkje Høgsterett heilt vere med på, men ville i staden heve straffenivået gradvis fram mot at ny straffelov tek til å gjelde. Det var heller ikkje godt nok for Stortinget, og opposisjonen på Stortinget gjekk derfor i spissen for at det skjerpa straffenivået i straffelova 2005 skulle bli vedteke gjennom lovendringar i den no gjeldande straffelova, m.a. gjennom eit representantforslag frå Høgre. Justisministeren følgde denne oppmodinga og lova at det nye straffenivået skulle bli innført straks gjennom lovvedtak i Stortinget. Me var mange som rosa han den dagen, men det har resultert i saka me behandlar i dag, men på ein noko annan måte. Men så skjer det spesielle at regjeringa ikkje har tenkt på at auka strafferammer får straffeprosessuelle verknader som kostar pengar. Lagrettebehandling og utvida ankerett er nokre av konsekvensane som ein oversåg. Dette vil altså koste meir pengar enn det eit gjennom fleire år sveltefôra domstolvesen kan klare innanfor eksisterande budsjett. Dette løyser ein ikkje ved å løyve dei nødvendige ekstramidlane for å gjennomføre Stortinget sin uttalte vilje, men ved å utsetje innføringa av nye strafferammer. Dette er, som sagt, utan å overdrive ein særeigen behandlingsmåte som ikkje akkurat gir tillit. Men det betyr òg at ein vel bort moglegheita til å få eit strengare rettsvern for fleire grupper. fast på ønsket om å heve straffenivået for valds- og seksuallovbrot, og vil derfor stø fellesforslaga frå Høgre og Framstegspartiet på dette punktet. Me meiner at omsynet til å få eit straffenivå som i større grad speglar av kor alvorleg samfunnet ser på denne typen handlingar, må vere avgjerande. Me meiner at domstolane må setjast økonomisk i stand til å møte dei utfordringane dette vil medføre. Eg vil understreke tydinga av å styrkje kapasiteten i domstolane, slik at dei ikkje blir ein propp i straffesakskjeda. Kristeleg Folkeparti er glad for at regjeringa, etter mange år med reelle kutt til domstolane, i årets reviderte budsjett kjem med ein liten auke. Men det er ikkje nok. Skal me hindre nedbemanning og tilsetjingsstopp, må domstolane styrkjast ytterlegare. Om ikkje blir resultatet lengre saksbehandlingstid, vondare rettsprosessar for ofra og mindre Det må me unngå. Til slutt vil eg òg understreke, til liks med representanten Håheim, at straff aleine ikkje løyser alle utfordringane. Derfor må det førebyggjande arbeidet òg styrkjast, og ein må heile tida jobbe med haldningar. Vald, valdtekt og seksuelle overgrep er eit alvorleg problem som kan øydeleggje livet for dei som blir ramma. Psykiske lidingar, traume, frykt og konsentrasjonsvanskar er berre noko av det mange føler på. Eg ønskjer å ta med det alvorlege, som fleire òg har vore inne på, at veldig mange valdtektssaker aldri blir melde, og av dei som blir melde, endar altfor mange med bortlegging hos politiet. Derfor er det viktig med gode valdtektsmottak og styrkt kunnskap hos politiet. Me må styrkje kjeda for både førebygging og strengare straffar. Det vedtaket som blir gjort i dag, skyv dessverre det siste ut i tid. Jeg har to likhetstrekk med representanten Ropstad: Det ene er
Skei Grande

Dette er straffeloven vår, en lov laget for menn og menns ære, mens kvinners ære ikke er så viktig. Det var det vi skulle ordne opp i med dette – dette var likestillingsgrepet vårt. Dette var grepet fra dette parlamentet som sa at det å tråkke på kvinners ære er like viktig som det å tråkke på menns ære, og at man faktisk skal dømme det likt. Dette er et av de feltene der vi ser at likestillinga ikke har kommet langt nok, der overgrep mot kvinner ikke er så farlig, mens alle overgrep som menn blir utsatt for, blir verdsatt med høye straffer. Venstre er et parti som vanligvis ikke roper på høye straffer. Vi har tro på mange andre ting. Men på dette feltet mener vi faktisk at det er en viktig likestillingssak å få økt Det er en viktig likestillingssak, for det handler om at når kvinners integritet blir krenket, er det like viktig som når menns integritet blir krenket. Vi var veldig stolt over den jobben som vi fikk satt i gang da vi hadde justisministeren på dette feltet – både i forhold til politiets kompetanse, i forhold til fokus på vold i nære relasjoner, og i forhold til oppbygging av voldtektsmottak. For dette handler ikke bare om at politiet må lære seg å ta det på alvor. Det må også handle om at det er en yrkesgruppe vi ikke nevner i den sammenheng, nemlig leger, som må skru om hodet sitt fra å være den som hjelper, til den som tar opp bevis. Vi vet at veldig mange leger har ikke den kompetansen det innebærer å være bevisopptaker. De har kompetanse om hvordan de skal hjelpe det mennesket som sitter foran dem, men de har ikke alltid kompetanse til å ta opp bevis. Derfor er dette en lang kjede som man må styrke for å styrke dette feltet. Det handler ikke bare om å snu politiets hoder, det handler også om å snu legers hoder, og det handler om å ha et system som er godt nok til å ta imot dette. Jeg må si at jeg beklager at hvis man blir utsatt for en grov voldtekt, så håper jeg at det er i Oslo, for her er det beste apparatet til å ta imot en, både for å hjelpe, ta opp bevis og andre ting. Jeg mener at den kompetansen vi har i Oslo, burde vært spredd utover hele landet på de måtene vi faktisk kan gjøre det. Her har vi både legeteam og politi som kan å ta det på alvor, og den kompetansen må vi spre utover. Jeg syns dette er litt trist, for jeg har trodd at dette var en ting vi var samlet om. For meg er dette først og fremst et slag for likestillinga. Det var det vi diskuterte at dette Så vi kommer til å stemme for forslagene nr. 1, 2, 3 og 4. Vi gjør som Høyre – hvis de faller, stemmer vi subsidiært for komiteens innstilling. Vi syns at det er trist at man bruker lang tid i en debatt på formiddagen på å kjempe for pappas rettigheter til permisjon, som er en liten ting i likestillingskampen, når vi ser at kvinner stadig blir tråkket på, og man ikke tar det til følge i straffeloven. Det er en mye viktigere likestillingskamp. Det må ikke bli sittende igjen som et inntrykk av denne debatten at vi nå er i ferd med ikke å ikke å vedta en betydelig straffeskjerping på viktige områder. Jeg holdt på å si – man tar jo både grep for hevet strafferamme for mange viktige lovbrudd, og man sender veldig tydelige signaler, noe som flere representanter også i forrige stortingsperiode, bl.a. stortingsrepresentant Ellingsen fra Fremskrittspartiet, pekte på som en god metodikk. Et av grunnlagene for å gjøre dette tar jo både grep for hevet strafferamme for mange viktige lovbrudd, og man sender veldig tydelige signaler, noe som flere representanter også i forrige stortingsperiode, bl.a. stortingsrepresentant Ellingsen fra Fremskrittspartiet, pekte på som en god metodikk. Et av grunnlagene for å gjøre dette er nettopp det som representanten Trine Skei Grande nå var inne på, men som også flere har vært inne på: Det er en ubalanse i gammel straffelovgivning, som etter mitt skjønn har vært preget av at straffeloven i veldig stor grad annen grov vold og seksuallovbrudd. Jeg er tilfreds med at komiteen er enig i at det gjeldende normalstraffenivået for disse lovbruddene må heves betydelig. Dette gir et tydelig og sterkt signal til domstolene. Og med all respekt, vi har jo allerede merket at det arbeidet som Stortinget og et samlet politikerkorps har signalisert gjennom den framtidige straffeloven, har begynt å virke, med en gradvis opptrapping. Når man nå går inn og endrer eksisterende straffelov på denne måten, er jeg overbevist om at det er et meget sterkt signal som domstolene må legge seg på sinne, og at man får en raskere heving enn det vi ville ha fått hvis vi ikke hadde gjort dette. Det er derfor vi gjør dette. dette. Heving av straffenivået for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd skal få virkning straks lovendringene er satt i kraft. Ved dette oppnår vi en rask heving av straffenivået i slike saker. Jeg tar sikte på at loven skal sanksjoneres før fellesferien, og at vi kan få en ikrafttredelse fra 1. juli. I proposisjonen foreslås endringer i utvalgte strafferammer og minstestraffer i straffeloven av 1902. man ser jo av lovspeilet – vi har laget et lovspeil i Justisdepartementet som viser hver enkelt bestemmelse – hva man gjør i hver enkelt bestemmelse, og stiller det materialet tilgjengelig for de representantene som er usikre på hva som faktisk gjelder. Anvisningene på nye normalstraffenivåer som Stortinget har sluttet seg til under behandlingen av Ot.prp. nr. 22 for 2008–2009, om den nye straffelovens spesielle del, gjentas i proposisjonen og suppleres med nyere avgjørelser som har falt etter at den forrige proposisjonen ble fremmet. Denne måten å gjennomføre straffeskjerping på er helt ny. En gjennomgåelse av rettspraksis har gitt et empirisk grunnlag for konkret å kunne angi fra hvilket nivå straffen skal heves, og hvor mye den skal heves. Hvorfor er det slik at det liksom plutselig ikke skulle ha noen virkning lenger? Det har jo allerede hatt virkning, gradvis dog, men det har hatt virkning, slik at de som nå framstiller det som at dette er – jeg holdt på å si – papir uten kraft, har en tung bevisbyrde. Jeg er sikker på at denne strategien er meget velegnet til å oppnå ønsket straffenivå, fordi domstolene på denne måten får et helt tydelig signal fra lovgiver om hva som skal være normalstraffenivå for disse lovovertredelsene. lovovertredelsene. Flertallet i komiteen har gjort enkelte justeringer i lovforslaget fra regjeringa: Den øvre strafferammen i §§ 219 annet ledd og 229 annet straffalternativ skal ikke heves fra seks til åtte års fengsel. Begrunnelse for det er gitt av flere. Men det rokker ikke ved det fundamentale i proposisjonen og Stortingets behandling, om at man nettopp ønsker å heve straffenivået innenfor disse bestemmelsene.

ønsker. Som flertallet i komiteen anfører, vil ikke de endringene som jeg nå peker på, rokke ved de ønskede hevinger av straffenivået for §§ 219 annet ledd og 229 annet straffalternativ. Men det er fortsatt også mange andre paragrafer man gjør endringer i, slik at det å framstille dette utad, som jeg opplever at Fremskrittspartiet har gjort, som om alt er utsatt, det blir i beste fall misvisende. Det foretas endringer i strafferammene i så vel § 219 første ledd som i § 229 første og tredje straffalternativ. Motivuttalelsene om betydelig skjerping av straffenivået for mishandling i nære relasjoner og for legemsbeskadigelse har dermed en klar lovmessig forankring. Bak de skjerpelser som nå foreslås, ligger erkjennelsen av straffens allmennpreventive virkninger og at de enkelte strafferammer og straffenivåer skal avveies mot hverandre og innbyrdes stå i et rimelig forhold. Jeg er, som nevnt, glad for at en samlet komité slutter seg til de betydelige straffeskjerpinger som foreslås. Jeg har slåss for det lenge, jeg mener det er riktig. Det er et av mange tiltak, bl.a. for å få fram alvoret i sakene som gjelder seksuelle overgrep, vold og trusler mot barn og kvinner. Samtidig registrerer jeg at enkelte av komiteens medlemmer ønsker en høyere øvre strafferamme for enkelte lovbrudd. Til dette vil jeg bemerke at regjeringa mener at de hevinger i straffenivåene som nå foreslås, er tilstrekkelig signifikante. Jeg peker på at det generelt er tale om hevinger på omtrent en tredjedel, og i visse tilfeller er det tale om en dobling av straffenivået. Jeg vil utdype dette noe nærmere: Dagens straffeutmålingspraksis vedrørende mishandling i nære relasjoner og voldslovbrudd ligger i det nedre sjiktet av strafferammene. Dermed vil vi kunne heve straffenivået kraftig innenfor eksisterende strafferammer – de er mer enn vide nok – og det er det som nå gjøres for enkelte alternativer knyttet til mishandling i nære relasjoner og voldslovbrudd. La meg gi to konkrete eksempler: For overtredelse av § 219 annet ledd, grov mishandling i nære relasjoner, er strafferammen i dag fengsel i inntil seks år. Denne blir ikke hevet nå, men straffenivået for slike overtredelser blir kraftig skjerpet. Eksempelvis avsa Høyesterett i 2009 en dom hvor domfelte fikk fengsel i ett år og fire måneder, Rettstidende 2009 side 1336. Domfelte hadde jevnlig slått, sparket og truet barna. I tillegg hadde domfelte truet med å drepe et av barna. For et tilsvarende saksforhold sies det i proposisjonen at straffen i utgangspunktet bør være fengsel i to år og seks måneder – nær en etter § 229 annet straffealternativ er strafferammen fengsel i inntil seks år. Denne blir ikke hevet nå, men straffenivået foreslås betydelig skjerpet også for dette alternativet. I dag er nivået i området fengsel i 90–120 dager for legemsbeskadigelse ved uprovosert vold i form av knytteneveslag mot fornærmedes hode. Straffen for tilsvarende handlinger er i proposisjonen angitt til i utgangspunktet ikke å ligge under seks måneders ubetinget fengsel. Også her blir det altså en dobling av straffenivået, med en metodikk som Fremskrittspartiet for et år siden mente var gunstig for å heve straffenivået, og som jeg oppfatter at også domstolene – dog gradvis – har tatt som veldig tydelige signaler fra et politisk flertall. I begge eksemplene er strafferammen på seks års fengsel vid nok for slike kraftige hevinger av straffenivået. Jeg er tilfreds med at en Jeg er tilfreds med at en samlet komité slutter opp om de betydelige straffeskjerpinger som nå foreslås for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd. Ved de konkretiserte og begrunnede retningslinjene knyttet til straffenivået gis det tydelige signaler fra lovgiver om hva som skal være normalstraffnivået for de aktuelle lovbruddene. De endringer som komiteens flertall har foreslått, er jeg enig i, fordi de er riktige for å unngå unødige prosessuelle konsekvenser som kunne medført en betydelig forsinkelse forsinkelse for ikraftsettelsen av lovendringene. Samtidig understreker jeg igjen at disse endringene ikke rokker ved at vi for disse to bestemmelsene, § 219 annet ledd og § 229 annet straffealternativ, vil få en kraftig heving i straffenivået. Det blir replikkordskifte. Først må jeg bemerke at statsråden er svært selektiv når det gjelder hva han har hørt, når han refererer til

Så kommer han til Stortinget nå og skal gjennomføre det, og omtaler ikke med et eneste ord hvorfor han ikke følger opp Stortingets vedtak. Han omtaler heller ikke de økonomisk/administrative konsekvensene. I tillegg innebærer dette at statsråden innrømmer de mest alvorlige forbrytelsene en strafferabatt i forhold til 2005-loven. Hvilket signal sender dette ut til ofrene for denne formen for kriminalitet? Premisset for spørsmålet er galt. Det er altså sånn at vi i regjeringa og stortingsflertallet mener at den metodikk som man brukte i fjor, å angi konkret hvor normalstraffenivået innenfor et straffebud skal ligge, er et meget tydelig signal for å få hevet straffen innenfor bestemmelsen. Det er det vi gjør. Jeg mener at når man står overfor straffebud og de to angjeldende paragrafene, 219 og 229 – noen en del av bestemmelsen, ikke hele – peker på konkrete rettsavgjørelser og sier at her skal nivået ligge, på det nivået og ikke på det lave nivået, så er det tilstrekkelig, også når man står overfor en uforandret ramme.

Stortinget har av informasjonsbehov og med hensyn til saksbehandling, føler statsråden at han har lært noe som han kanskje vil trekke med seg hvis han fremlegger flere lover for Stortinget som handler om straffeloven? Det er andre gang representanten spør meg om tidspunkt. Jeg har såpass respekt for Stortinget at hvis jeg skal angi dato for når ting kom i departementet, må jeg få sjekke det og komme tilbake til det. Representanten kan gjerne få det skriftlig, slik han fikk det på den forrige forespørselen. Men dette framgår jo av korrespondansen i saken, i hvert fall når vi reagerte overfor komiteen. Jeg må bare understreke at jeg er veldig glad for Men dette framgår jo av korrespondansen i saken, i hvert fall når vi reagerte overfor komiteen. Jeg må bare understreke at jeg er veldig glad for at André Oktay Dahl åpnet sin replikk nå med å uttrykke forståelse for at man hever straffenivået i andre bestemmelser enn de to vi nå strides om. Det er viktig i bl.a. offentlig debatt, men ikke minst overfor domstolene, at flertallet, og også Høyre, nettopp gir uttrykk for at det stortingsflertallet nå har gjort, er å heve Hvis vi begynner å undergrave det, er jeg redd for at signaleffekten overfor domstolene avtar. Jeg skal være den første til å medgi at denne lovprosessen har gått raskt. Det er fordi vi mener – og ønsker intenst – at straffebudene skal behandles; man skal få strengere straff når man har behandlet dette. Og, som jeg har gjort rede for … Jeg tror alle i salen er klar over at vi øker strafferammene på mange områder, men i denne debatten viser både statsrådens og posisjonspartienes argumenter at angrep er

i de respektive bestemmelser ved å gjøre de grep som Stortinget nå gjør. Derfor må jeg bare si at det som er maktpåliggende for regjeringen og stortingsflertallet, er at straffenivået faktisk blir hevet. Når det blir hevet, vil jeg si at jeg synes det er en grei vurdering man gjør seg når man ikke bringer mange saker inn for den prosessordningen som innebærer lagrette. Og så må jeg ile til og si jeg ile til og si at jeg også er veldig glad for at Fremskrittspartiet, ved komitélederen, gir uttrykk for at man faktisk hever straffenivået i et betydelig antall saker utover den debatten vi har om § 219 og § 229. For utad – i pressen, og i VG – står det noe annet. Vi er nå i den noe spesielle situasjon at vi har en justisminister som styrer kriminalitetspolitikken etter finanspolitiske hensyn. Det er

Det må være et nederlag. I tillegg oppfatter jeg det slik at iverksettelsen av straffeloven av 2005 nå skyves ytterligere ut, fordi man nå signaliserer at dette vil bli så dyrt at vi ikke har råd til et straffenivå på det nivået som i den loven Kan statsråden gi Stortinget beskjed om hva det vil koste å innføre det straffenivået som vi har vedtatt etter 2005-loven? Igjen mener jeg saksordføreren framstiller saken helt feil, for dette handler altså ikke om at det er økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til straffenivået. Det handler om økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til straffeprosessen – at man beveger disse sakene inn i lagretteform. Men straffenivået sikrer vi ved å gjøre de grep som man nå gjør i proposisjonen, i debatten og i vedtaket. Derfor mener jeg det er feil å knytte de mer prosessuelle anførsler opp mot straffenivået, fordi man får det straffenivået man her ønsker seg. Jeg vil også avvise

da man behandlet dette i statsråd og fremla saken for Stortinget? Eller hadde man mottatt noen som helst informasjon om de tingene man oppdaget etter at saken var fremlagt i Stortinget? Så det andre spørsmålet: Kan statsråden bekrefte, eller avkrefte, at man kommer til å foreta en gjennomgang av rettspraksis knyttet til såkalt uaktsomme bildrap? Når det gjelder det første Når det gjelder dato og klokkeslett for når vi mottok informasjonen, skal jeg sørge for at representanten får korrekt angivelse av det. Det vil jeg komme tilbake til. Når det gjelder rettspraksis rundt uaktsomt drap, særlig knyttet til bildrap, har jeg konferert om det forholdet med min statssekretær – jeg står bak hennes uttalelser om at det er nødvendig å ha en gjennomgang av dette. Det er ikke sikkert at det handler om de lovmessige bestemmelsene, men det kan hende at det handler vel så mye om både etterforskning og påtalepraksis. Replikkordskiftet er omme. Som det tidligere har

Nå er det slik at en del kriminelle er de vi kaller «gjengangere», som frekventerer fengslene rimelig ofte, mens en del soner for første og eneste gang; de har altså begått en forbrytelse ved en ren tilfeldighet, eller i affekt, og soner den ene gangen. Men samfunnet skal, som sagt, gi signaler til til både kriminelle og samfunnet ellers om at kriminalitet ikke lønner seg, og hvor alvorlig kriminaliteten er ved straffeutmålingen. Jeg tror heller ikke at lengre straff vil være det som virker. Det som virker, er innholdet i soningen. Men likevel, for at vi skal gi de signalene som er riktige overfor samfunnet, og si at det er Men likevel, for at vi skal gi de signalene som er riktige overfor samfunnet, og si at det er en alvorlig forbrytelse, har det med straffenivået å gjøre. Når det gjelder denne saken, blir det sagt at den har fått en rask behandling, og at det har vært gjort raske endringer. Første gang saken var oppe, var for ca. ett år siden, da det ble avklart hvor straffenivået skulle ligge. Nå er vi kommet til

en del av de endringene som ble gjort i loven, vil ha økonomiske konsekvenser, som også representanten Chaudhry var inne på, f.eks. at domfelte da har krav på å få opp anken sin, og at ankesaken skal behandles av jury, som gjør at kostnadene øker. Det som er rart, er at dette burde noen ha visst etter behandlingen i mai–juni i 2009.

til Høyesterett om at straffene skal økes. Da ser vi også, som statsråden sa, at det er en tendens til at vi får et økt straffenivå, noe som er positivt. Jeg hadde forventet at statsråden hadde vært litt mer ydmyk og innrømmet at noen har tabbet seg litt ut i denne saken, for det er det ingen tvil om. Representanten Håheim holdt et innlegg som var et voldsomt og et engasjert forsvar for en gedigen tabbe som er gjort fra Regjeringen. Det står det respekt av. Men jeg hadde forventet, som sagt, at statsråden ville være litt mer ydmyk og innrømmet at her har vi kanskje driti litt på draget, men vi får prøve å rette dette opp i neste runde.

da vi behandlet 2005-loven. Det Fremskrittspartiet kritiserer statsråd Storberget for, er nettopp at man ikke følger opp det hele og fulle vedtaket som ble fattet. Så sier statsråden at det ikke er selve straffenivået, fra seks til åtte år, som er utfordringen, men det er det straffeprosessuelle. Ærlig talt – dette henger sammen!

noen for å angi et normalstraffenivå. Men det er nå grunn til å tro at normalstraffenivået antakeligvis vil bli lavere med lavere maksimalstraffer enn det som man vedtok i forbindelse med 2005-loven. Det jeg synes er mest beklagelig med dette, er at man nå sender et signal om uklarhet om uklarhet når det gjelder gjennomføringsevnen av straffenivået i 2005-loven. Det er riktig som representanten Morten Ørsal Johansen påpekte i sitt siste innlegg, at det er en del lyse hoder i Justisdepartementet. Og at man ikke har tatt høyde for dette i budsjettene etter at straffeloven 2005 ble vedtatt, er en snodighet

det som også Stortinget var enig om i en ny runde i forbindelse med et representantforslag som har vært behandlet. Det går ut på at 2005-loven og de strafferammene som ble lagt der, skulle gjennomføres. Når det svaret er så enkelt, synes jeg at det forsvaret som posisjonen har lagt til grunn, for man aksepterer at det er situasjonen. Så tillater statsråden seg å si at i dag er det en viktig markering med de vedtak som gjøres om å øke strafferammene, og at vi nærmest står overfor et tidsskille i dag. Nei, det var i fjor, det, og den gjentakelsen som Stortinget gjorde i forbindelse med representantforslaget fra Høyre. Men så er det sånn at når det gjelder den viktige markeringen og det tidsskillet som skjedde i fjor – og en gang til i Stortinget – reverseres faktisk deler av dette i dag, eller ikke reverseres, men trekkes ut i tid, utsettes, for man tror at minstestraffen da skal reparere for det som man tror at minstestraffen da skal reparere for det som man ikke greier å gjøre i dag på grunn av økonomiske rammer. Det synes jeg, ærlig talt, at opposisjonen og statsråden faktisk bør innrømme. Nå ser jeg at statsråden skal holde et innlegg etterpå. Jeg registrerer at statsråden er bekymret for det inntrykket som er gitt i debatten i det offentlige rom, fordi det nærmest er skapt et bilde av at vi ikke øker, eller skjerper, strafferammene i det hele tatt. Men må ikke statsråden ta noe av den kritikken selv gjennom – unnskyld uttrykket – å være så høy og mørk som både undertegnede og statsråden var fordi vi lyktes så godt for ett år siden med det vedtaket vi gjorde? Da har vi jo lyktes med å gi et inntrykk av at nå skulle straffene skjerpes, og vi har vært veldig bastant på det, særlig i valgkampen, der jeg hadde debatt med statsråden også. Så her har vi jo medvirket selv, og kanskje er det da på tide å være litt ydmyk også i forhold til at man selv har bidratt til å skape et inntrykk av at viktige skjerpelser av straffene nærmest blir utsatt. Man kan jo
i ro og mak vurdere hva slags inntrykk som fester seg etter en slik debatt om straffenivået. Ved siden av at jeg blir framstilt som høy og mørk kunne jeg godt tenke meg at et inntrykk som fester seg i befolkningen, er at man foretar en betydelig straffeskjerpelse. Jeg mener det er et framskritt at man fra Fremskrittspartiets side, fra Høyres side, har vært tydelig på det i debatten, og at vi står sammen om det. Det vil være ganske vanskelig å si at det Stortinget i dag gjør, ikke har noen betydning for norsk straffeutmåling. Det ville virke undergravende for hvordan vi ser på vår egen rolle. Vi foretar altså betydelige økninger når det gjelder f.eks. voldtekt, ikke bare ved at vi øker minstestraffen, men vi ser på strafferammen, og vi angir veldig konkret i proposisjonen hva slags straffenivå man ser for seg. Det er et straffenivå som jeg hilser hjertelig velkommen, og som jeg mener det er godt at vil tre i kraft raskt. Det gjelder minstestraff og straffenivå for seksuelt misbruk av barn – som jo ikke har vært omdiskutert opp imot de spesielle bestemmelsene i denne runden – seksuell omgang med barn, mishandling i nære relasjoner når det i hvert fall gjelder første del av bestemmelsen. Jeg mener at det altså er sånn at noen av oss har klokkertro på at det Stortinget gjorde i fjor, tydelig å angi saker og straffenivå, har effekt for straffeutmålingen. Jeg er overbevist om at man vil se effekt av dette også i framtida. Derfor er det maktpåliggende for meg å få ut av hele debatten som det maktpåliggende for meg å få ut av hele debatten som en konklusjon den konkrete strafferammen du står overfor, totalstraffen. Men vi ligger altså i nedre sjikt når det gjelder straffeutmålingstradisjon i Norge – under halvparten, ofte – slik at vi har litt å gå på før vi krenker den øvre strafferammen. Det at man da går ned fra åtte til seks år på to av bestemmelsene, bidrar ikke til å svekke de signalene som går på straffeskjerpelse for de konkret angitte straffebudene. Så trekker saksordføreren, representanten Kielland Asmyhr, inn at jeg på noe tidspunkt skal ha sagt at Fremskrittspartiet skulle være imot minstestraff. Jeg kan ikke erindre å ha sagt det i mitt innlegg. Jeg mener at jeg ikke har sagt det. Jeg mener at minstestraff ved noen anledninger, slik som her når man hever minstestraffen, faktisk også er ett av mange viktige virkemidler for å få opp straffenivået.

Nå er det en debatt her om hvem som har lovt mest når det gjelder straff. Den kan vi sikkert fortsette. Men ikke på ett punkt har altså statsråden, som er konstitusjonelt ansvarlig overfor alle som sitter i denne salen, eller kanskje ikke sitter her akkurat nå, men i hvert fall overfor Stortinget som organ – ikke enkeltpersoner, partigrupper, fraksjoner eller hva det måtte være – innrømme noe. Jeg synes virkelig at det hadde vært litt at denne prosessen som har vært ved behandlingen av denne loven frem til nå, ikke er i henhold til hva Stortinget som organ skal forvente seg. Dette handler ikke fra vår side først og fremst om at det ikke er noen straffeskjerpelse, det er jo tross alt vi som har tatt initiativ til at denne loven kommer. Men når vi skal vedta en lov, og statsråden utmerket godt bør vite at dette ikke er tilfredsstillende håndverk, hadde det gjort seg å komme med to setninger utover selvskryt og si noe om hvilke rutiner man har i departementet, hva man har tenkt å gjøre fremover for at ikke denne måten å behandle lover på skal bli det vanlige. På vegne av Høyre håper jeg virkelig ikke at dette er måten vi skal behandle så alvorlige spørsmål som straffelovgivningen på. Jeg har lyst til å utfordre statsråden til å si helt konkret om han, som den øverste ansvarlige for Justisdepartementet, i det hele tatt har tenkt å ta affære overfor den glippen som garantert må ha skjedd, når man altså ikke er kjent med det man i dagens Aftenposten betegner som små prosessuelle ting, som altså er noe helt annet, nemlig at man ikke får fulgt opp Stortingets vedtak fordi man ikke greide å vurdere konsekvensene av egne lovforslag. Vi har sett det tidligere. Ved budsjettbehandlingen var det ukjent for Stortinget at man skulle trekke ut nesten 200 mill. kr fra politiets driftsbudsjetter. Det var det ingen som sa noe om da man skulle behandle budsjettet. Det hadde vært ganske kjekt å vite at man så for seg noe i den størrelsesorden, for det gjør at hele budsjettprosessen, hele behandlingen av et budsjett – på samme måte som dette – nærmest blir en håpløs affære for de partiene som ikke tilfeldigvis er til stede på fraksjonsmøtene til de Statsråden har en jobb å gjøre med hensyn til informasjonsarbeid overfor Stortinget, og informasjonsarbeid er altså mer enn å informere media om de høye tanker man har. Mye er gjort bra – det er ikke det det handler om for oss i dag. Det det handler om, er hvilke ting man har tenkt å gjøre for å sørge for at lovbehandlingen fremover blir av en langt annen kvalitet enn det som vi har fått presentert gjennom den siste månedens arbeid i justiskomiteen.
statsråd Storberget

Nå er det litt uklart for meg hvor relevant det er opp mot straffeutmålingsnivået når det gjelder voldsforbrytelser, men hvis man i særdeleshet tenker på spørsmålet om at politiet rustes opp med hensyn til IKT, vil jeg nok si at både Stortinget, representanten Dahl og også andre har fått betydelig informasjon om behovet for det, og at man faktisk må gjøre det. det. Så må jeg si at mye av det lovarbeidet som er gjort i forbindelse med ny straffelovgivning i Norge – både når det gjelder den alminnelige delen, og når det gjelder den spesielle delen – har etter mitt skjønn vært et svært godt lovmessig håndarbeid, men når det gjelder disse to bestemmelsene, har man altså valgt å gjøre den endringen som nå foreligger. Jeg syns at det har vært etterfulgt av god informasjon overfor komiteen om hvorfor man gjør det, og hva man faktisk har gjort. Jeg vil nok heller si det slik at det ville vært mye verre om man ikke gjorde det, og at man faktisk tok konsekvensen av det. Så lenge man sikrer at intensjonene for å få straffeskjerping også i de angjeldende lovbrudd blir fullført, kan jeg ikke se at det at man gjør endringer i sjølve strafferammen som får betydning for prosessuelle virkninger – om det skulle gå for lagrette eller ei – skulle ha noen som helst betydning opp mot det som har vært maktpåliggende for et flertall i Stortinget å gjøre noe med, nemlig det å heve straffenivået. Så lenge man får til det, mener jeg at det er det avgjørende i disse sakene. Så vil jeg si at når det gjelder nettopp spørsmålet om prosess

nærmer vi oss Stortingets møtefrie periode, og alle ønsker å få opp straffenivået ved å øke minimumsstraffene, og man har angitt et normalstraffenivå. Men selve saken er av en svært dårlig kvalitet, og Stortinget har ganske mange spørsmål, som vi heller ikke har fått svar på her i dag.

Så sier statsråden at dette har med budsjettmessige spørsmål å gjøre. Ja, det er riktig, men i enhver lovsak er det et kapittel med budsjettmessige og administrative konsekvenser. Der burde statsråden ha gitt en mye mer grundig redegjørelse av de budsjettmessige konsekvensene, for det var jo først etter at komiteen fikk et brev fra lagmennene og deretter stilte et spørsmål til statsråden, at statsråden svarte at dette ville nok få noen flere konsekvenser enn det som det var redegjort for i saken. Så det er ikke komiteen – eller opposisjonen – som ikke har gjort jobben sin her. Det er statsråden som har lagt frem et slett arbeid, og jeg synes at representanten Morten Ørsal Johansen har vært den nærmeste til å treffe innertieren her i

Vi må forholde oss til hva som blir sagt i media, hva som kommer av løfter i tipunktsplaner i pressemeldinger, ikke til formelle dokumenter til Stortinget. Det kommer et lovforslag som presenteres i media, og det oppfattes som om det er en full oppfølging av hva Høyre har krevd, og hva Stortinget har vedtatt når det gjelder angjeldende straffebud. Alle tar det for gitt, og det står ikke ett ord om at dette ikke er en direkte oppfølging av Stortingets vedtak. Av ulike grunner begynner altså komiteen å grave etter initiativ fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det jeg frykter, er at hadde vi ikke gjort det, hadde denne loven bare sklidd igjennom, for det hadde ikke blitt oppdaget. Det er grunnen til at Høyre vil vite hva man har tenkt å gjøre i departementet for å sørge for at denne type prosess ikke skjer igjen.

Etter endringer i domstolloven i 2007 er det nå stadig flere lekdommere som ber seg fritatt i enkeltsaker, i lengre perioder eller varig ved å bli slettet fra utvalget. Flere av høringsinstansene har pekt på at det nå er et reelt behov for flere medlemmer til utvalgene. Det er derfor en samlet komité som støtter regjeringens forslag om en ny hjemmel, slik at domstolleder i løpet av valgperioden kan bestemme at det skal Dette vil føre til et smidigere system som sørger for at domstolene får tilgang til de lekdommerne de måtte ha behov for, og komiteen støtter også de øvrige endringene som er foreslått i domstolloven. Det foreslås i tillegg endringer i straffeloven 1902 § 139, som omhandler plikten til å avverge alvorlige straffbare forhold. I behandlingen av straffeloven 2005 ble avvergingsplikten skjerpet og utvidet, men som vi alle er kjent med,

VGs oppslag om at 33 barn under 15 år er blitt drept eller mishandlet til døde i løpet av de siste ti årene, gir oss alle en grusom påminnelse om at vi alltid kan gjøre mer for å beskytte barn. Så skal vi heller ikke glemme at det finnes store mørketall – barn som lever med omsorgssvikt i en hel barndom, barn som blir misbrukt av personer de har tillit til, eller kvinner og barn som blir mishandlet i sitt eget hjem. Derfor er det viktig at vi nå utvider avvergingsplikten til å gjelde seksuelle handlinger mot barn, all vold i nære relasjoner og misbruk av overmaktsforhold. Arbeidet med vold mot barn og vold i nære relasjoner har vært et av de viktigste satsingsområdene for denne regjeringen. De siste årene har vi gjort mye i kampen mot vold og overgrep. Straffene blir strengere, vi har etablert barnehus i alle regioner, og det er på plass familievoldskoordinatorer i alle politidistrikt med ansvar for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Vi politikere kan og skal gjøre alt vi kan for å hindre at noen blir utsatt for vold og overgrep. Men som enkeltmennesker

skal vi alltid huske at vi kan gjøre mer. Vi har alle et ansvar for at alle barn skal få en trygg barndom, og med dette lovforslaget styrker og skjerper vi avvergingsplikten – nettopp for å sørge for det.

politiet eller øvrig hjelpeapparat hvis vi er bekymret for at et barn er utsatt for vold eller andre former for overgrep. De som jobber med barn, har et ekstra ansvar. Ansatte i barnehager, skoler og på helsestasjoner er i en unik posisjon for å registrere signaler fra barn som ser ut til å være utsatt for vold eller andre former for overgrep. Kompetanse om dette må økes hos dem som jobber med barn. Naboer, folk i barnas nære familie, folk i idrettslaget og i musikkorpset har også et ansvar. Ansatte i helsevesenet er i en spesielt gunstig situasjon for å oppdage misbruk av barn. De har en moralsk og faglig plikt til å melde fra dersom de ser at et barn kan bli utsatt for vold, har blitt utsatt for vold eller andre overgrep. Helsepersonell må bli flinkere til å oppdage og melde fra til barnevernet og politiet. I fjor besøkte jeg legevakten i Oslo. Det er landets desidert største legevakt, men antall bekymringsmeldinger de sendte til barnevernet året før, var altfor lavt – unaturlig lavt. Det samme skjedde året før det. Det er grunn til å tro at situasjonen ikke er særlig bedre andre steder i landet. Det er åpenbart at rutinene må skjerpes. Legestanden må ta ansvar, og legevaktledelsen rundt om i landet må sette opp klare mål, for så å følge dem opp. Jeg er glad for at den rød-grønne regjeringen har satt arbeidet mot vold og overgrep mot barn høyt på dagsordenen. Vi har i løpet av de siste årene etablert seks barnehus. Det sjuende kommer i år. Barnehusene skal gi et helhetlig tilbud til barn som er utsatt for vold eller andre overgrep, med bl.a. dommeravhør og legeundersøkelse. I juni 2009 åpnet alarmtelefonen 116 111 for barn, for å

vi og skjerper og klargjør plikten alle har til å avverge alvorlige forbrytelser. Etter denne har alle en plikt til å kontakte politiet eller på annen måte forsøke å avverge en alvorlig straffbar handling. I tillegg utvides plikten, slik at den omfatter alle former for seksuelle overgrep mot barn, vold i nære relasjoner og mishandling av barn. Jeg er stolt over å være en del av det rød-grønne flertallet på Stortinget, som systematisk har satt rettssikkerheten til barna på dagsordenen. Stoltheten kjenner ingen grenser, så da kan jeg på vegne av opposisjonen og kjenner ingen grenser, så da kan jeg på vegne av opposisjonen og Høyre være stolt av at denne opposisjonen i flere år har hengt på regjeringen som klegger, eller hva det måtte være, for å sørge for at de resultatene som er gode, er det, og presset på for at de ikke fullt så gode resultatene forhåpentligvis blir bedre. I denne saken er det i hvert fall slik at med litt ulik tilnærming oppfatter jeg at både flertall og mindretall er opptatt av praktiseringen av rettferdsvederlagsordningen. Det er veldig deilig å si det ordet, for det er veldig mye finere enn det forrige ordet, billighetserstatningsordningen, som ble omdøpt. Til og med Kristelig Folkeparti kom med et lite hurrarop fra familiekomiteen, så det må jo bety at vi er så enige at det nesten ikke går an! Men for å være helt sikker tar jeg opp mindretallsforslaget i innstillingen, fra Fremskrittspartiet og Høyre, for å gi et vennskapelig lite hint om at vi kanskje kunne få det raskest mulig. Presidenten har en mistanke om at representanten Dahl nå kom i skade for å uttale seg om den saken som følger etter den vi nå diskuterer. I den saken vi nå diskuterer, er det ikke tatt inn noe mindretallsforslag. Enigheten er selv om det er litt konkurranse om hvem som er mest enig om det som er enstemmig. Jeg går ut fra at vi kommer tilbake til sak nr. 14 etterpå – hvis ikke representanten mente å ta opp et forslag i sak nr. 13? Jeg kan ta det opp etterpå. Det er greit. Da kommer vi tilbake til det. Det skal vi klare å håndtere. Er det flere som Hvis ikke er debatten i sak nr. 13 avsluttet. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden.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

men mindre enn i rekordåra 2007 og 2008. I heile 2009 har det vore tre utval i arbeid med rettferdsvederlagsordningane. Det er også grunn til å vere tilfreds med at Statens sivilrettsforvalting i all hovudsak har nådd sine ambisiøse mål om sakshandsamingstid på tolv månader. I dag er regelverket slik at utvala har fullmakt, etter den ordinære rettferdsvederlagsordninga, til å godta inntil 200 000 kr i den enkelte saka. Dersom utvalet finn at ein søkjar bør få eit høgare beløp, blir saka lagd fram for Stortinget via Justisdepartementet med innstilling. Så langt har det vore få saker av denne Dagens fullmakts- og beløpsgrense på 200 000 kr blei fastsett og vedteken av Stortinget i desember 1996. På bakgrunn av prisutviklinga finn komiteen grunn til å vurdere om fullmaktsgrensa bør justerast. Dette har òg Stortingets utval for rettferdsvederlag bedt om. På denne bakgrunn vil ein samla komité tilrå at fullmaktsgrensa i den ordinære blir auka til 250 000 kr, og fremmer forslag i tråd med dette, der ein ber regjeringa vurdere dette spørsmålet i samband med statsbudsjettet for 2011. Eg vil presisere at dette ikkje betyr at det er snakk om å høgne nivået på vederlaget, men derimot å redusere behovet for å gå til Stortinget i dei sakene dagens fullmaktsgrense eventuelt blir overskriden. Det må heller ikkje forståast slik at dei som allereie har fått eit vederlag, kan søkje på ny fordi fullmaktsgrensa eventuelt blir heva. Eg viser til at det er ulik forståing og tolking i utvala når det gjeld praktiseringa av rettferdsvederlagsordninga. Eit lite mindretal i utvala meiner at praksis ikkje var i tråd med Stortingets ønske og vilje då St.meld. nr. 24 for 2004–2005 var oppe til behandling i 2005. Det var etter at utval III kom i funksjon i 2008 at denne ueinigheita kom fram. Dette var også tema for behandlinga av årsrapporten for 2008, som Stortinget tok stilling til i Komiteen er også kjend med at denne ueinigheita er drøfta med Stortingets president og Stortingets presidentskap. Det er vanskeleg å ta stilling til denne ueinigheita før det er gjort ein prinsipiell gjennomgang av rettferdsvederlagsordninga, slik Stortinget og Stortingets presidentskap har bedt om. Komiteen ser fram til at regjeringa legg fram ei slik sak for Stortinget så fort det let seg gjere. Eg er kjend med at dette er eit omfattande arbeid, at det vil ta tid, og at spørsmålet vedkjem fleire departement. Men me håper likevel at dette ikkje vil ta altfor lang tid av omsyn til dei som kan vere potensielle søkjarar og mottakarar av

i den forrige saken, og fremmer forslaget under korrekt sak. Forrige sak handlet om avvergingsplikt – det burde kanskje gjelde undertegnede også. Men jeg kan gjenta det jeg sa der det ikke hørte hjemme, at jeg oppfatter at Stortinget i realiteten er enstemmig

uansett beløp – aldri vil kunne gi disse menneskene deres barndom tilbake. De kan ikke kjøpe en barndom full av gleder og liv. Men gjennom rettferdsvederlagsordningen gir samfunnet disse menneskene en viss oppreisning for den uretten de har vært gjennom. 12. desember 1996 fastsatte Stortinget fullmaktsgrensen på

Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet – mener at en avgrensing av spesialordningen til kun å gjelde de barn som var plassert på de institusjonene som omfattes av Befring-utvalgets utredning, ikke er i samsvar med Stortinget vedtak og innstilling. Videre mener de samme utvalgsmedlemmene at praksis ikke er i samsvar med stortingsvedtaket når det gjelder Flere av disse var selv stortingsrepresentanter da disse vedtakene ble fattet. Det er derfor viktig å lytte til dem. SV har lagt ned mye arbeid for å få en prinsipiell gjennomgang av mandatet, slik at de som det var ment skulle få vederlag, får det. Senest i 2009 ble departementet bedt om å komme med en gjennomgang til Stortinget.

begått en urett imot – en urett som ikke kan kompenseres fullt ut med penger, som andre har vært inne på. Like fullt er det en viktig ordning, som det også har vært bred enighet om ved de korsveier der Stortinget har hatt ulike spørsmål knyttet til ordningen til behandling. Når det gjelder innstillingen fra justiskomiteen vedrørende årsrapporten for 2009, framgår Kristelig Folkepartis syn av familie- og kulturkomiteens merknader i innstillingen. Vi er glad for at det nå skal komme en sak til Stortinget, der praktiseringen av dagens rettferdsvederlagsordning blir drøftet. Vi er også opptatt av å få klargjort spørsmålet om hvorvidt ordningen kun omfatter barn ved de institusjonene som omfattes av Befring-utvalgets mandat og utgreiing, eller om den omfatter alle barn i spesialskoler, uavhengig av plasseringsgrunnlaget. Stortinget må tolke mandatet for rettferdsvederlagsutvalgene når det gjelder hva slags grupper som er omfattet av den nye bevisbyrden, og behandlingsformen som ble innført etter Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 for 2004–2005. Det er også viktig at man ser på praksis knyttet til fosterhjemsbarn. Det er ingen tvil om at det da er særegne utfordringer dokumentasjon som også må få betydning når det gjelder bevisbyrde. Det er dermed viktig at praksis overfor fosterhjemsbarn ikke strammes inn, men at fosterhjemsbarn kan likestilles med barnehjemsbarn. Kristelig Folkeparti fremmet også i fjor vår forslag knyttet til innlemming av til innlemming av norske skoler i utlandet i ordningen. Det ingen tvil om at det også der er begått urett mot mennesker som har vært på institusjoner som staten har hatt et visst ansvar for. Så vi ser med stor forventning fram til at det blir en gjennomgang av det spørsmålet, og at man får vurdert om det bør opprettes særordninger for nye grupper, inkludert norske skoler i utlandet som en del av en slik gjennomgang. Kristelig Folkeparti vil også støtte det forslaget som er fremmet av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

Det er et bærende prinsipp som samtlige partier står bak, og det er også et prinsipp som justiskomiteen har lagt til grunn i sin drøfting av denne saken. Likheten for loven skal være absolutt, enten man er norsk eller statsborger. Fra Høyres side synes vi det er prisverdig at forslagsstillerne med sitt forslag gir Stortinget anledning til å sette fokus på sosiale rettigheter som følge av soning. En samlet komité legger til grunn at det ikke i de sosiale systemene skal ligge noen ekstra bonus ekstra bonus knyttet til soningen, på samme måte som det knyttet til soningen heller ikke skal ligge forskjellsbehandling som innebærer en straff i straffen. Det er tilnærmingen til denne saken. Flertallet i justiskomiteen peker også på at rettigheter opptjent før soning skal beholdes etter soning. En samlet komité har pekt på at utenlandske kriminelle uten lovlig opphold ikke skal gis sosiale rettigheter som følge av soningen i seg selv. Denne drøftingen er balansert ut fra at man verken skal selv. Denne drøftingen er balansert ut fra at man verken skal få bonuser eller urimelig forskjellsbehandling som følge av straffen. I komiteens drøfting merker komiteen seg også at det fra Arbeidsdepartementet ved utløpet av forrige måned ble lagt fram en proposisjon, Prop. 135 om endringer i folketrygdloven vedrørende fengselsopphold. Den proposisjonen vil jo berøre noen av de punktene som ligger i representantforslaget fra Fremskrittspartiet, og vil gi Stortinget en god anledning til nok en bred debatt om denne saken. Justiskomiteen har drøftet flere sider av effektene av de forslagene Fremskrittspartiet framsetter i sitt forslag. Jeg nevner temaer som helsehjelp under soning, generelle soningsforhold og arbeidsplikt og avlønning under soning. Ikke minst har også komiteen drøftet temaet rundt soningsoverføring for dømte kriminelle av utenlandsk opprinnelse, utenlandske statsborgere. Mindretallet fra Høyre og Fremskrittspartiet peker i innstillingen på at man er utålmodig og ikke tilfreds med framdriften på dette temaet, og at vi ønsker en hurtigere framdrift, slik at flere dømte utenlandske statsborgere gis anledning til å sone i sitt hjemland. Flertallet i komiteen, bestående av regjeringspartiene, foreslår at forslaget vedlegges protokollen. På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet tar jeg opp forslaget fra mindretallet.

Vi har fått en økning i kriminalitet begått av utenlandske statsborgere. Jeg kan nevne vinningsforbrytelser, narkotikakriminalitet og menneskehandel. Dette gir samfunnet vårt, og spesielt justissektoren, store utfordringer. Både politi og påtalemyndighet, domstolene, kriminalomsorgen og utlendingsmyndighetene har merket økningen i kriminalitet begått av utlendinger, rett og slett fordi mange kommer til Norge – både lovlig og ulovlig. Det er i dag ca. 20 pst. domsinnsatte med utenlandsk statsborgerskap i norske fengsler. I tillegg kommer varetektsfengslede utlendinger. Dette innebærer nye og krevende utfordringer i våre fengsler. De ansatte melder om til tider store problemer med den daglige kommunikasjonen, som både fører til Språkproblemene medfører også økte utgifter til tolketjenester. Dette er en ny hverdag som vi må forholde oss til og håndtere på en best mulig måte. Forslagsstillerne mener en innskrenkning av utlendingers rettigheter i Norge vil redusere utlendingers kriminelle handlinger. Resonnementet, slik jeg har forstått Fremskrittspartiet, er at bortfall av sosiale rettigheter for utlendinger vil gjøre det mindre attraktivt å være kriminell i Norge. Jeg mener justisministerens brev til komiteen er svært oppklarende med tanke på hvem som har tilgang til hvilke rettigheter, og hva de straffedømte kan tjene opp av rettigheter under soning. Etter mitt syn er det naturlig, som justisministeren gjør, å skille mellom to hovedgrupper av utenlandske statsborgere i denne sammenhengen: De som var medlemmer i folketrygden før frihetsberøvelsen tok til, enten fordi de var i

Komiteen, alle med unntak av Fremskrittspartiet, mener det er rimelig at det skilles mellom disse to gruppene med tanke på rettigheter under soning. Vi er alle enige om at utenlandske straffedømte uten oppholdstillatelse raskest mulig skal tilbakeføres til sitt hjemland. Og jeg er glad for at justisministeren har fullt trykk på arbeidet med både å effektivisere saksbehandlingstiden i overføringssakene og å få på plass bilaterale avtaler med de mest aktuelle landene i påvente av at EUs rammebeslutning om soningsoverføring trer i kraft i slutten av 2011. Etter det jeg har forstått, er en slik avtale allerede på plass med Romania. Med unntak av Fremskrittspartiet har komiteen likt syn på at det må være norske forhold som skal avgjøre utformingen av kriminalomsorgen i Norge.

kriminalitet. Jeg lurer på hva Høyre og Fremskrittspartiet mener med dette. Sikter de kun til de sosiale rettighetene kriminelle utlendinger med og uten lovlig opphold har i Norge, eller mener de også at soningsforholdene skal være annerledes enn det som tilbys i de norske fengslene i dag? Skal vi tolke denne merknaden dit hen at Høyre og Fremskrittspartiet mener at utlendinger skal tilbys dårligere soningsforhold enn det nordmenn har? Jeg imøteser en utdypning på dette fra Høyre og Fremskrittspartiet, da deres merknader gir rom for ulike tolkninger. Denne saken var oppe i nyhetene – eller for å si det sånn, den sprakk i nyhetene – i januar, og tilfeldigvis var det samme dag som vi hadde spørretime her i Stortinget. Jeg husker at Storberget ble spurt om hvordan han så på denne som da var kommet fram i media. Det var helt tydelig at Storberget selv ikke var klar over at fortolkningen var annerledes i Arbeidsdepartementet enn i Justisdepartementet. Da Fremskrittspartiet fremmet dette representantforslaget, var det i den hensikt å få fram og synliggjøre den fortolkningen av regelverket som de ulike departementene har i forbindelse med opptjening av pensjonspoeng og andre rettigheter for utenlandske kriminelle som er under soning i norske fengsler. Videre ble det i media også satt fokus på hvordan det var mulig at utenlandske kriminelle kunne opptjene disse rettighetene uten at Justisdepartementet og andre visste om dette. Ja, hvordan går det så for seg? Hvis man har til hensikt å utføre kriminelle handlinger i Norge og reiser inn for å utføre dette, vet man samtidig at skulle man bli tatt, har man faktisk på mange områder et bedre liv enn det man kanskje kommer fra. Man opptjener rettigheter i forhold til folketrygden, man får dagpenger, som faktisk er to–tre ganger større enn en i forhold til folketrygden, man får dagpenger, som faktisk er to–tre ganger større enn en årslønn i mange av landene som disse kriminelle kommer fra, man har seng, man har varm mat, man har enerom, man har tv, Og for å ta det spørsmålet som representanten Torve stilte, om det skulle være forskjell i soningsforholdene, kan man jo si det sånn at når vi vet at 70 pst. som soner i det nye Halden fengsel, som kanskje ikke skal ha rehabilitering og tilbakeføring til det norske samfunnet, men som faktisk har et utvisningsvedtak på seg etter endt soning, sier det seg selv at de kanskje har andre soningsforhold enn dem som får rehabilitering og andre former for tilbud i de ulike fengslene. Arbeidsdepartementets fortolkning av regelverket er, og dette er sitat fra en pressemelding: «Avsoning i norske fengsler i samsvar med rettskraftig dom er ikke å anse som ulovlig opphold. Personer med dommer på 12 måneder eller mer vil derfor være å anse som medlemmer av folketrygden i henhold folketrygdloven paragraf 2-1.» Videre ser vi også, som sagt, at dagpenger som den enkelte opptjener mens han soner, overgår en vanlig årsinntekt. Jeg vil sitere litt fra statsrådens brev, hvor Arbeids- og velferdsdirektoratet selv har opplyst at «den aktuelle gruppen i praksis er blitt regnet som ordinære medlemmer i trygden. Det er likevel uklart i hvilken utstrekning dette har ført til tilståelse av andre ytelser enn helsetjenestene. Gruppen tas imidlertid inn i folkeregisteret, og det kan være tilstått ytelser som for bosatte uten at etaten har vært klar over bakgrunnen for For meg er det et tankekors at man ikke har vært klar over fortolkningen som har funnet sted, og også at justisministeren ikke har vært klar over at på dette området innenfor hans fagfelt, har ikke grensedragningen vært synlig for hvilke rettigheter den enkelte som sitter inne, har. har ikke grensedragningen vært synlig for hvilke rettigheter den enkelte som sitter inne, har. Det har vært et av de viktigste områdene som Fremskrittspartiet og også Høyre har satt fokus på, at man burde ha vært klar over hvordan den fortolkningen ville slå ut for de utenlandske kriminelle som sånn sett ikke skulle hatt noen rettigheter. Vi har egentlig hatt en dag i dag som har vært innom veldig mange av de områdene som justiskomiteen befatter seg med, både når det gjelder soningsavtale og andre områder som vi er opptatt av, og som vi i framtiden kommer til å berøre. Men vi ser iallfall at justisministeren har tatt til etterretning de tankene som vi har hatt, og de usikre signalene som har kommet fra ulike departement. departement. Til slutt må jeg bare si at vi forventer at den samordningen som burde ha funnet sted, vil komme i framtiden. Velferdsstaten er et spleiselag. Den er bygd på prinsippet om å yte etter evne og få etter behov. Alle som har et lovlig opphold i Norge, opparbeider seg rettigheter, tett knyttet til de forpliktelsene det innebærer å være et medlem av det norske samfunnet. Derfor beholder nordmenn disse rettighetene også når de har gjort noe kriminelt og må sone straffen i fengsel. Det må fort legges til at det er gitt en lang rekke bestemmelser om bortfall eller reduksjon av ytelser under opphold i fengsel. Det er rimelig, og det er naturlig. Det har imidlertid aldri vært meningen at utlendinger som kommer til Norge kun for å begå kriminalitet, skal kunne opparbeide seg sosiale rettigheter, f.eks. pensjonsrettigheter, mens de soner i norske fengsler. En slik praktisering av regelverket er selvfølgelig ikke ønskelig. Jeg setter derfor pris på at regjeringen nå har satt i gang et arbeid for å rydde opp i dette. Justisministeren har gjort grundig rede for dette arbeidet i sitt brev av 16. april i år til komiteen. Så hørte jeg at representanten Michaelsen rettet sterk kritikk mot statsråden for ikke å vite å vite at disse reglene ble tolket slik, og at disse reglene har ligget der. Da kan jeg jo si at disse reglene har vært offentlige. Alle kunne ha sett dem tidligere, også Fremskrittspartiet. Statsråden har selvsagt sitt konstitusjonelle ansvar for hvordan de er blitt tolket og brukt, men alle vi kunne ha sett at de ligger der.

men også til at kriminelle misbruker denne friheten. Jeg er tilfreds med den innsatsen norsk politi i det siste lagt har ned for å finne og utvikle nye metoder og samarbeidsmekanismer over distriktsgrenser for å få bukt med de omreisende kriminelles virksomhet. Et tiltak som vil virke avskrekkende i dette arbeidet, er å sende de kriminelle til sine respektive land for å sone der. Jeg er tilfreds med det arbeidet regjeringen og justisministeren har lagt ned her, og jeg ser fram til en økt overførsel av de kriminelle til sine hjemland, slik justisministeren har varslet Stortinget

Samtidig er det openbert slik at soningsvilkåra ikkje må innby til lovbrot. Dessverre er det for ein del utanlandske kriminelle mesta forlokkande å sitje i eit norsk fengsel. Eg vil ikkje gå så langt som til å seie at det skal vere andre soningsvilkår og forhold for dei, men det er eit paradoks at det er slik. Det skaper også store vanskar for dei som om god soningsgjennomføring ikkje berre for dei det gjeld frå utlandet, men også for dei norske som sit der, for det fører til ein annan type miljø i fengsla rett og slett. Eg meiner at den jobben justisministeren gjer for raskare å få overført fleire utanlandske straffedømde utan opphald til soning i eige land, er utruleg viktig. Det var nok fleire enn eg som stegla første gongen ein høyrde at utanlandske kriminelle kunne tene pensjonspoeng og sosiale rettar ved å sitje i norske fengsel. Eg trur at den massive reaksjonen som var mot dette, kjem av at denne saka pirkar kraftig borti oppfatninga vår om kva som er rett og galt i velferdsstaten vår og i rettsstaten vår. Det skal vere ein samanheng mellom rettar og plikter, og det skal verke rettferdig. Eg er tilfreds med dei svara som justisministeren har gitt i denne saka. Eg tykkjer eigentleg at det er greitt at vi får til debatt slike saker, som på ein måte stadfestar ein gong for alle at vi har oppslutning om det rettssystemet som skal

Sett litt på spissen vil jo eg seie at det på ein måte var å påskjøne kriminalitet. Jo meir alvorleg det var, jo meir påskjøna blei du. Den gongen me tok dette opp, såg justisministeren, som var i spørjetimen, dette, og han lovde å ta ei opprydding. Det var eg glad for den gongen. Men det er ikkje berre den saka som ligg på

Dei utanlandske statsborgarane som var medlemer av folketrygda før fridomstapet tok til, fordi dei var i jobb eller busette her i landet, og dei som ikkje har anna tilknyting til Noreg enn den kriminelle aktiviteten og soninga her. Kristeleg Folkeparti vil understreke at for den første gruppa må ytingar til den innsettes familie i utgangspunktet halde fram som før. Det er ikkje rimeleg å straffe familien økonomisk på grunn av

Noen vil ha medlemskap i folketrygden fordi de var i arbeid i Norge eller bosatt her før innsettelse. Norge har i de senere år hatt stor arbeidsinnvandring, og det vil derfor være en relativt stor gruppe personer med utenlandsk statsborgerskap som har opparbeidet seg trygderettigheter. I henhold til arbeidsministerens redegjørelse i forbindelse med utarbeidelsen av mitt svar til justiskomiteen er dette en gruppe som opprettholder sitt medlemskap i folketrygden under straffegjennomføring, og som også er delvis beskyttet i henhold til Jeg registrerer at justiskomiteens medlemmer i hovedsak har forståelse for at dette er en gruppe utenlandske innsatte som må vurderes annerledes enn utenlandske innsatte som har tilknytning til Norge alene på bakgrunn av kriminell aktivitet. Det er altså sånn fortsatt at jeg er helt enig med representanten Ropstad, som også reiste saken i spørretimen, i hans vurderinger rundt dette. dette. Det har vært mitt anliggende i min kontakt med arbeidsministeren og også i arbeidet vi har gjort i regjeringa med dette. Jeg har i så måte en ganske stor forståelse for de reaksjoner som har kommet opp mot det å opparbeide seg sosiale rettigheter etter folketrygdlovgivningen, når man isolert sett «bare» er her for å sone. Derfor mener jeg at det Arbeidsdepartementet nå har foretatt seg i det nylig framlagte lovforslaget, Prop. 135 L 2009–2010, som også representanten Ropstad viste til, gir svar på mange av de utfordringene, og Stortinget får da faktisk anledning til å diskutere det spørsmålet i forbindelse med en lovsak. Hensikten er å fastslå at medlemskap i folketrygden ikke under noen omstendighet kan erverves gjennom straffegjennomføring alene. Personer som var medlemmer fram til soningen, opprettholder i utgangspunktet medlemskapet, men her foreslås at medlemskap under straffegjennomføring beregning/tilståelse av pensjon når det fattes endelig utvisningsvedtak. I slike tilfeller foreslås det at bortfallet av pensjonsopptjening vil få virkning for hele straffegjennomføringsperioden uavhengig av når utvisningsvedtaket fattes. Jeg har spesielt merket meg at komiteen er opptatt av at utenlandske innsatte mottar dagpenger under straffegjennomføringen. Her er det viktig å presisere at denne gruppen innsatte er underlagt samme aktivitetsplikt som andre, og at dagpengene er en ytelse for dette. jeg må jo si at jeg synes det er en type ytelse som stiller i en helt annen kategori enn det å opparbeide seg rettigheter i norsk trygdelovgivning. Når det gjelder kjøp av fengselsplasser i utlandet, skal jeg være veldig kort, men jeg har bare lyst til – jeg holdt på å si – det er ikke meg det står på! Det er et veldig dårlig marked for kjøp av fengselsplasser. Vi har nærmest endevendt alle muligheter for å se om vi kan øke antall soningsoverføringer. Vi har klart å øke, og i så måte hatt en seksdobling i forhold til det nivået den forrige regjeringen hadde. Men det er ikke så mye å rope høyt om, for tallet er fortsatt lavt. Det er at vi bruker de avtaleinstrumenter som foreligger. Det gjelder særlig Europarådets avtale og konvensjon, og tilleggsprotokoll, hvor man har mulighet for å utvise selv mot vedkommendes samtykke hvis det finnes utvisningsvedtak, men ikke minst at vi nå henger tett på EU i deres arbeid med rammebeslutningen om soningsoverføring, som vil være særdeles viktig i dette arbeidet. Da ville man få en enklere prosess. Det ville gå raskere, og man ville få en gjensidig aksept av hverandres straffedommer som ikke er av samme art, i Europarådets konvensjoner og tilleggsprotokoll. Norge er jo ikke medlem av EU, og det er ingen selvfølge at vi får tilslutningsavtale til dette. Jeg har sagt tidligere i dag til Europautvalget at det er to saker som har vært viktig for meg når jeg har møtt utenlandske justisministre, og både innkommende og utgående formannskap i EU. Det første er at vi får tilslutning til Prüm-avtalen. Det har vi fått, og det er signert avtale. Det andre har vært tilslutning til rammebeslutningen om soningsoverføring. Det sitter lenger inne, det Det er en skepsis hos en del medlemsland mot å involvere tredjeland i den type avtaleverk. Men det hindrer ikke meg fra stadig å ta opp dette, fordi jeg mener at der ligger mye av nøkkelen, ved siden av de bilaterale avtalene, for å få til mer soningsoverføring. Det blir replikkordskifte. Jeg tror vi sjelden har vært vitne til en sak som vanlige folk har følt har stridd så

Man kan jo også stille seg spørsmålet om norske borgere ville kunne gjøre dette i andre land. Neppe. I brevet til komiteen står det følgende: «Eventuelle vedtak der det oppdages at det er tilstått pensjon utelukkende på grunnlag av soning, vil bli å omgjøre.» Det er bra. Men så skriver man videre: «Det antas imidlertid ikke tilstrekkelig grunn til å foreta en gjennomgang for å finne slike saker, hvilket i Betyr det at statsråden kan bekrefte at det fortsatt vil sitte folk i norske fengsler som vil opparbeide seg rettigheter på feil grunnlag? Nå er dette lovforslaget en sak som ligger til behandling i Stortinget. Man har rik mulighet til å påvirke gjennomføringen av eventuelle framtidige regler, så jeg vil ikke nå forskuttere noe av den saksbehandling som skal komme i Stortinget. Jeg vil fra mitt ståsted, siden dette ligger til et annet departement, si at det er viktig at vi nå Jeg vil fra mitt ståsted, siden dette ligger til et annet departement, si at det er viktig at vi nå får helt tydelige regler på dette. Jeg tror nok en del av grunnlaget for at dette kom bardus på en del av oss – for det gjorde det, det må jeg bare medgi – er at noen har valgt å tolke lovgivningen på den måten man faktisk har gjort i dette tilfellet. Det bærer feil av sted, og derfor er det nødvendig med en klargjøring. Men jeg vil jo også mene at det er viktig at de innspill som nå kommer, bl.a. fra representanten Kielland Asmyhr, om at man også søker å få omgjort mest mulig, vil være særdeles viktig. Replikkordskiftet er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg tror den saken vi behandler i dag, bare er en del av flere og

mellom Norge og EU i asyl- og flyktningpolitikken, som Fremskrittspartiet ønsker velkommen, og da vil nok mange av disse problemstillingene også dukke opp i ettertid. Det er to grupper med ulike utfordringer i denne saken – det er vi enig i. Men jeg tror ikke at vi på noen måte skal utelukke at også gruppe A kommer til å bli en utfordring, der vi er nødt til å ha en nasjonal politikk som kanskje skiller seg ut fra den i resten av Europa. Som statsråden selv var inne på, har vi i dag fått en orientering vedrørende rammebeslutningene og dette med soningsoverføring. Jeg tror at det er et viktig område når det gjelder ytelser til kriminelle utlendinger i Norge. Det er en nøkkel, tror jeg, for at vi skal lykkes i mye større grad. Særlig det som går på forvaltningsvedtak eller utvisningsvedtak blir viktig i den utviklingen vi er vitne til nå. For det er fortsatt mange ting, også i brevet fra statsråden, som bare gir oss nye spørsmål, nye utfordringer, og det ligger jo faktisk en sak i justiskomiteen nå som går på dette med soningsforhold for utenlandske kriminelle. Jeg registrerer at det er noen som har utfordret både Fremskrittspartiet og Høyre når det gjelder hva vi mener om alternativ soning for utenlandske kriminelle. Jeg er ikke redd for å si at vi er nødt til å gå i en sånn retning. I dag har vi jo det motsatte. Det nye fengselet i Halden er nå fylt opp av utenlandske kriminelle. Det er et fengsel som er bygd opp med tre faser, for å rehabilitere og få norske fanger ut i det åpne samfunnet på en god måte. Vi har en situasjon – som også er omtalt i pressen i dag – der varetektsplassene våre er fylt opp med utenlandske kriminelle, mens etnisk norske må sitte på glattcelle langt lenger enn det loven sier. Så jeg tror vi er nødt til å se på alternative soningsforhold for utenlandske kriminelle. Det er jo faktisk også det regjeringen gjør, og er enig med Fremskrittspartiet i, når man søker å få til soning i opprinnelseslandet – hvis man da ikke tenker å bygge

vi kan ikke se bort fra at terskelen for å begå kriminelle handlinger kan senkes som følge av det mange oppfatter som gode soningsforhold, og da legger vi fra Høyre vekt på bl.a. de økonomiske betingelsene. Det har jeg redegjort for i et tidligere innlegg i saken. Jeg vil også peke på at vi fra Høyre har lagt inn et forslag som nå ligger til drøfting i justiskomiteen, knyttet til organisert kriminalitet, hvor ett av forholdene i representantforslaget går på å opprette egne avdelinger for utenlandske statsborgere i norske statsborgere i norske fengsler. Det er av de elementene som ligger i å nyansere soningsforhold, for dette er et viktig tema bl.a. for å hindre nettverksbygging mellom norske og utenlandske kriminelle. Venstre er

Men det er klart at det systemet vi har i dag, der en opparbeider seg sosiale rettigheter som medlem av det norske velferdssamfunnet, bryter grunnleggende med folks rettsoppfatning, det at man kan tjene opp poeng i systemet ved å ha gjort kriminelle handlinger mot det samme systemet. Så det mener jeg det er åpenbart at vi må få ryddet opp i. bidra til det norske samfunnet, ikke er å bidra med kriminalitet i det norske samfunnet. Likevel er vi veldig for at man bygger flere soningsplasser i utlandet. Men har man besøkt et russisk fengsel? Jeg er imot å sende norske de russiske fengslene. Mange av de østeuropeiske fengslene har et nivå som er sånn at jeg mener vi ikke skal sende folk dit, av grunnleggende menneskerettshensyn. Men jeg mener at når vi bidrar med sosiale prosjekter, som vi startet under tidligere justisminister Dørum – vi samarbeider med Russland for å øke standarden ved fengslene der – så mener jeg at det går an å stille klare krav til de landene at når vi bidrar til å styrke menneskerettighetene og å styrke kriminalomsorgen i disse landene, må vi også kunne kreve at de tar fanger tilbake. Og når de har nådd et nivå som er innenfor de menneskerettsstandardene vi setter, så mener jeg at det må gå an å presse på hardere for å få til disse avtalene. Det er derfor vi i Venstre har sagt at kanskje bør vi bidra gjennom de bistandsprosjektene vi har,

fordi han med dagpengene han opptjente i norsk fengsel, brødfødde en hel landsby i Afrika. Det sier noe om hvilke forskjeller vi har i verden – og det er en annen debatt. Men det er klart: Vi må tørre å ta debatten om hvilke soningsforhold utenlandske kriminelle skal ha i norske fengsler. når det er sånn at man med dagpenger i norsk fengsel får inntekter som det står respekt av i andre land, er det klart at det kan være attraktivt. Når man i tillegg som utenlandsk statsborger opptjener rettigheter for familien som bor igjen i Romania, f.eks. helsetjenester, barnetrygd osv., er det flere enn Fremskrittspartiet og Høyre som burde reagere på den formen for politikk som gjør at Norge blir et svært attraktivt sted for kriminelle. Jeg tror de fleste der ute i samfunnet stiller spørsmål ved hvorfor man skal kunne opptjene rettigheter i folketrygden i det hele tatt når man sitter i fengsel. Man har brutt den viktige samfunnskontrakten ved å bryte landets lover, og da må man altså ta konsekvensen av det. Så sies det her at vi ikke kan sende utenlandske kriminelle tilbake til land der hvor det er lavere fengselsstandard enn det vi har her i Norge. Da blir mitt spørsmål: Hvor kan vi i det hele tatt sende tilbake utenlandske kriminelle?

det å få trykk på soningsoverføring virkelig vil kunne hjelpe oss i dette. Jeg har liten tro på kjøp av fengselsplasser i utlandet som å kjøpe andre varer. Men hvis kjøp innebærer det som representanten Trine Skei Grande er inne på, mener jeg at det er en strategi som ikke bare startet under tidligere justisminister Dørum, men som i stor grad har fortsatt, i den forstand at man driver prosjekter i andre land for å bedre fengselsstandarden. Det russiske fengselsprosjektet er jo i så måte et veldig godt eksempel. Jeg har besøkt et russisk fengsel, dvs. jeg har besøkt et dårlig et, og jeg har besøkt et noe bedre et, og sett at det hjelper å kunne gå inn med den type virkemidler. Jeg har tro på å knytte det – altså samarbeid mellom norske og rumenske myndigheter f.eks. – inn mot fengselssiden, gjøre bruk av EØS' finansieringsmekanisme inn mot dette, og derfor har jeg initiert det. har jeg initiert det. Jeg mener at det kan være noe som ligger i bunnen i de bilaterale avtalene som Norge kan inngå for å forsterke muligheten for å få raskere soningsoverføringer. Jeg har også lyst til å si at vi må tørre å tenke alternativt med hensyn til hvordan vi behandler en god del av de utenlandske kriminelle som blir straffedømt i Norge. Det vil utfordre oss på kapasitet – det gjør det i dag, og det vil gjøre det framover.

Jeg mener også at man skal tørre å tenke alternative reaksjoner og bruk av strafferettslige virkemidler opp mot de mer sivile virkemidlene vi har i utlendingsretten, dvs. at man f.eks. ikke prøveløslater før man er helt sikker på at retur vil bli foretatt. Da vil jeg endog – det sier jeg litt sånn på privat kjøl, men det er en høy tanke, for å si det sånn – vurdere å kunne løslate noe før, hvis man sikrer at vedkommende returnerer. Men dette er tiltak som jeg håper vi vil kunne komme tilbake til i Stortinget i høst. Jeg varsler at dette jobber regjeringa med nå for å se på alternative muligheter. Men det som alltid må ligge i bunnen, også når det på mange måter presser på som mest, er at menneskerettslige standarder må opprettholdes. Det er mennesker vi har med å gjøre, og ikke noe annet, og det krever at det skal være standard på det uansett hvor folk kommer

Det mener jeg er en lite innsiktsfull uttalelse. Det er et ganske stort spekter fra det nye norske fengselet i Halden og til de verste fengslene i Russland. Det er et spekter som gjør at jeg gjerne vil oppfordre representanten Kielland Asmyhr til kanskje å ta en liten studietur og oppleve det. For de bildene vi har fått fra f.eks. Kongo eller Sør-Amerika i det siste, med norske som sitter arrestert på de stedene, er ikke på noen måte så ille som mye av det som jeg har sett i Øst-Europa. Jeg har faktisk sett fengsel i India som har vært betraktelig bedre enn mange av dem jeg har sett i Øst-Europa. Og det er disse landene de fleste kriminelle her er fra. fra. Jeg mener at vi må sette noen minstestandarder for kriminalomsorgen i de landene vi faktisk sender tilbake til. Det er klart at vi setter ikke standarder knyttet til målet vårt, som f.eks. nye norske fengsler, som Halden, men vi setter noen standarder, som grunnleggende håndheving av grunnleggende menneskerettigheter – noen sånne planker bør ligge i bunnen før vi sender folk til soning i andre land. land. Jeg tror at det å få til en forbedring av soningsforhold, sette noen krav til det og andre ting vi kan bidra med, vil føre til at vi både kan gjøre kriminalomsorgen bedre i de landene det er snakk om, og samtidig få til at folk skal sone i eget land. For målet må være at alle skal sone i det landet de kommer fra – det kan være målet vi setter oss. Det ville ha gjort mye både for kriminalomsorgen i Norge og for kriminalomsorgen i andre land.

men de blir vel litt klokere for hver gang de tar ordet. Når det gjelder dagpenger, er det en utfordring. Jeg er generelt skeptisk til at det skal utbetales kontanter i et fengsel, også til andre som soner straffer i Norge. Men når det gjelder utenlandske kriminelle, kan man løse det ganske enkelt hvis det er snakk om at man må ha dagpenger ut fra en aktivitetsplikt for å få sanitærutstyr osv. Det kan man ordne ved at de rett og slett får dette uten å få kontanter. For det er ikke noen tvil om, som flere har vært inne på her, at den kontantstrømmen som i våre ører høres veldig liten ut, 56 kr om dagen, for mange av de utenlandske kriminelle utgjør en

Jeg er ikke så sikker på at alle som kommer til Norge fra Romania og andre land, som havner i bander og begår kriminelle handlinger, gjør det fordi de i utgangspunktet er kriminelle. De gjør det rett og slett ut fra nød og dårlige sosiale forhold i hjemlandet. Derfor er vi, når vi har den typen magneter som soningsforholdene i Norge er, med på å skape kriminelle. Det burde også vært en del av debatten.

større endringer på de soningsforhold som utenlandske kriminelle skal ha i norske fengsler. Representanten Skei Grandes innlegg var ikke til å misforstå. Hun ba meg altså om å ta en studietur til Russland for å se på russisk standard. Da kan jeg bekrefte at jeg som stortingsrepresentant de siste fem år har vært på en rekke studieturer til Russland. Jeg har vært over hele landet og fått sett godt hvordan den russiske standarden er. Den gjennomsnittlige standarden i Russland er langt lavere enn den norske hva gjelder levevilkår, sammen. Jeg vil tro at representanten Skei Grande antageligvis ville betakke seg for å bo i en gjennomsnittlig, normal russisk leilighet. Den ligger på et betydelig lavere nivå enn det boligforholdet jeg vil anta vil anta representanten Skei Grande har i Norge. Derfor vil det være helt galimatias om Norge nå skulle kreve norsk standard for utenlandske kriminelle som blir returnert til sine hjemland. Jeg vil følge godt med i de kommende budsjettframlegg fra partiet Venstre for å se hvor mye partiet setter av til å bygge høystandardfengsler i alle de land som vi har utenlandske kriminelle fra i Norge. Representanten Skei Grande har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg kan jo bemerke at Venstre ikke har holdt noe hovedinnlegg, men jeg skal klare dette på ett minutt. Skei Grande har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg kan jo bemerke at Venstre ikke har holdt noe hovedinnlegg, men jeg skal klare dette på ett minutt. Representanten Kielland Asmyhr og representanten Per Sandberg legger begge ord i munnen på meg som jeg ikke har sagt. Jeg har aldri sagt «høy standard». Jeg har aldri sagt ordene «norske forhold». Jeg har sagt «menneskerettigheter». Hvis det faller vanskelig for Fremskrittspartiet å godta,

Har representanten Kielland Asmyhr sett på annet enn murpussen når han har vært der? Det er ikke murpuss jeg snakker om. Jeg snakker om grunnleggende menneskerettigheter som også fanger har. Det handler om avstraffelsesmetoder og isolatbruk som jeg mener vi ikke kan respektere. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15. Stortinget går da til votering.

for at han

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i

av Kristelig Folkeparti forslag nr. 5, fra Per-Willy Amundsen på vegne av Fremskrittspartiet Forslagene nr. 1–4 er inntatt på side 29 i innstillingen, mens forslag nr. 5 er omdelt i salen. Under debatten er forslag nr. 2, fra Høyre og Kristelig Folkeparti, og forslag nr. 5, fra Fremskrittspartiet, omgjort til oversendelsesforslag, og de vil bli endret i tråd med det.

da til votering. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til

Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram fem forslag. Det er forslagene nr. 1–4, fra Hans Frode Kielland Asmyhr på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 5, fra Hans Frode Kielland Asmyhr på vegne av Fremskrittspartiet

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten har André Oktay Dahl satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre.